i lov om motorferdsel absolutt alle Senterpartiets stortingsrepresentanter har lovet oss, og det er det et betydelig antall av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter har lovet oss, gang etter gang. Det har ikke den rød-grønne regjeringen levert, og det er ikke det vi diskuterer i dag. Jeg er glad for når vi først har kommet dit vi har kommet – etter det som kommer til å bli 18 år med prøveprosjekt at både Senterpartiets parlamentariske leder, Lars Peder Brekk, og Senterpartiets ansvarlige statsråd i regjeringen for forhandlingene, Trygve Slagsvold Vedum, har sagt at de er fornøyd – de er fornøyd med et kompromiss som de ikke engang vil vise i Stortinget når vi diskuterer denne saken. Men det er Senterpartiet fornøyd med. Det er en avklaring jeg tror at scooterfolket i Trøndelag er veldig glad for at Senterpartiet har gitt dem i dag. Lov om motorferdsel har alltid vært en lov laget av Oslo-folk og for Oslo-folk. Med det forslaget vi har lagt fram i dag, sier noen at det skal bli lov å kjøre scooter. Det er jo ikke det vi foreslår. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti tar til orde for at man ikke skal sitte i Oslo og bestemme hvor og når og hvem som skal kjøre scooter, men at den avgjørelsen må man kunne ta i de kommunene hvor folk bor. Og forsøksprosjektet: Her må man lese evalueringsrapportene som fanden leser Bibelen. Det går ikke an å argumentere med at forsøksprosjektet ikke har vært en stor suksess – for sikkerheten for dem som kjører man kanaliserer trafikken ut av de mest sårbare områdene, for friluftslivet ved at det blir mer friluftsliv i kommunene enn det var, og man fikk en sterkere kanalisering av motorferdsel, så man kunne holde noen områder fri for motorferdsel. Så sier de rød-grønne politikerne at det kanskje blir noe rekreasjonskjøring, og hvem vet hvordan det blir? Men det som er klart, er at det skal være basert på at du skal

det vi skal votere over. Vi vet også at plan- og bygningsloven, som Erik Solheim for en del år tilbake la frem, åpner nettopp for at man kan regulere dette i kommunene. Da trenger man bare å gjøre én liten endring, og det er i § 3 i lov om motorferdsel å fjerne ett ord, ordet «denne». Det er flertallet i denne sal ikke villig til å gjøre. Man prøver å bruke alle andre ord og uttrykk og kommer med mange forskjellige bortforklaringer og lager dette til en helt annen sak enn det det egentlig handler om. Jeg ser utover salen, og jeg har også hørt hva statsråden har sagt: Vi må ta balanserte hensyn, vi må ta hensyn til kulturmangfold og friluftsliv. Mitt spørsmål tilbake er: Kan statsråden forklare meg hvorfor det er sånn at kommunestyrerepresentantene i mitt eget fylke, Nord-Trøndelag, i Røyrvik, Lierne, Snåsa, Verdal og Meråker er kompetente nok til å ta de balanserte hensynene, fordi det er kommuner som ligger mot svenskegrensen, mens kommunepolitikerne i Namsskogan, Grong, Høylandet, Steinkjer, Levanger og Stjørdal ikke er kompetente nok til å ta den samme vurderingen av de balanserte hensynene til friluftsliv og kulturmangfold? Det er det det kompromisset som vi ikke har sett her i dag, egentlig går ut på. Eller hva det går ut på, vet vi ikke, for det vet jo heller ikke statsråden. Han har sagt klart og tydelig fra at hvordan dette blir, er man ikke helt klar på, men det man er klar på, er at man skal ha forvaltningsmulighet de kommunene som ligger mot svenskegrensen, og at man skal åpne for 40 nye forsøk. Ja, det betyr – rett og slett – for meg et håpløst kompromiss, hvis dette blir fremmet i Stortinget. Det betyr at man forskjellsbehandler kommuner i enda større grad. Fremskrittspartiet har tillit til kommunepolitikerne – tillit til at de kan ta avgjørelser selv om hvorvidt man skal ha snøscootertraseer eller ikke. Jeg har tillit til at de er i stand til å ta disse balanserte hensynene,

Men hvis man leser innspillene til Dokument 8-forslagene, er det én ting, men jeg mener også at det i innstillingens forslag til vedtak i dag er et viktig punkt B, der man nettopp viser til hvilke hensyn som skal legges til grunn for ordningen. Vi erkjenner dilemmaene og konfliktene. Det jeg har sagt i dag, er at jeg synes det er veldig spesielt å stå her og diskutere en pressemelding på fire avsnitt, som er det som har kommet fra regjeringen etter åtte år. åtte år burde det vært mulig å komme lenger. Det jeg synes er utfordrende, er at jeg ser de samme dilemmaene når det gjelder natur, friluftshensyn og muligheten for lokal selvbestemmelse, og at det også skal være mulig å kunne ha snøscooterkjøring innenfor visse rammer. Jeg mener bare at det såkalte kompromisset, som jeg ikke opplever som et kompromiss, men som forskjellsbehandling, er utfordrende, fordi vi – gjennom vårt forslag – løfter fram at dette nettopp skal gjelde for alle kommunene, og det skal gjelde innenfor strenge rammer. Det mener jeg er løsningen vi bør ende på. Jeg har ingen problemer med at dette skal på høring. Tvert imot – jeg mener det er helt nødvendig i denne typen saker, når regjeringen velger å komme med dette. Det synes jeg er helt greit. Det er ikke det jeg reagerer på. Jeg reagerer på innholdet, som ikke engang er kjent. kjent. Når det gjelder Sverige, er jeg ikke mer glad i Sverige. Det var ikke derfor jeg brukte tid på Sverige. Jeg syntes bare det var spesielt at det var helt greit for regjeringen å sende nordmenn over til Sverige for å frese av seg der. Det synes jeg fremdeles er spesielt. Man kunne nesten vært fristet til å stille spørsmålet tilbake, om snøscooterpolitikken i Sverige er den optimale for SV, siden man vil sende snøscooterne over

for 14 dager siden skrev på Twitter: «Er ikke fornøyd med Ap og SV som ikke vil følge Senterpartiet og kommunene i scooter-saken. Jeg stemmer med opposisjonen den 21. Det er et klart signal fra en representant fra Senterpartiet, og jeg hadde forventet at hun hadde holdt et innlegg og

Det er lokaldemokratiet, og det er det vi har tillit til. Jeg merker at andre ikke har tillit til det. Jeg må kommentere – som Ropstad også var inne på – at det er ett parti som er fraværende i debatten. Jeg forstår det egentlig veldig godt, for det kan ikke være enkelt, men jeg skulle ønske at de likevel var her og stod på det de har stått på. Noen spørsmål til statsråden, som jeg håper vi kan få oppklart: For det første – i replikkrunden svarte statsråden at grunnen til at det var et poeng å lage løyper over til Sverige, var at det der er et etablert løypenett, og det er det ok å bruke. Da tolker jeg statsråden dit hen og vil gjerne ha svar på følgene: Er det da slik at dersom vi får etablert et løypenett her i Norge,

og det behovet den enkelte kommune har, men er et rent distriktspolitisk virkemiddel? Jeg er

kommunene. Det gjør vi uansett hvilken regjering vi har. Det gjorde vi også da Høyre satt i regjering. Vi var i opposisjon, og vi fremmet forslag – sammen med Senterpartiet den gangen – om å liberalisere reglene. Det skjer et eller annet fra man er i opposisjon i denne salen til man kommer i regjeringskontorene – da blir man imot å la kommunene selv få denne selvråderetten. Nå har Fremskrittspartiet som mål å komme i regjering – det håper jeg vi gjør – og jeg har som personlig mål å bli miljøvernminister og sørge for at dette blir gjennomført. Jeg må si det så sterkt, for jeg tør ikke sende noen andre inn i departementet, i tilfelle det skjer et eller annet, slik at de glemmer hva de gjorde da de var i så sterkt, for jeg tør ikke sende noen andre inn i departementet, i tilfelle det skjer et eller annet, slik at de glemmer hva de gjorde da de var i opposisjon. Det er min ambisjon. Det er mange som diskuterer pressemeldingen som kom fra regjeringskontorene, og mange sier at det er det som foreligger i dag. Nei, det er ikke det som foreligger i dag. Det som foreligger i og Høyre, som vi debatterer. De forslagene ønsker Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Venstre å stemme imot. Det er ingenting annet vi har oppe til debatt i dag. Jeg registrerer i pressemeldingen som kom fra regjeringen, at forslaget skal ut på høring. Hvor mange høringer skal man ha? Hvor mange befaringer og høringer i forbindelse med representantforslagene skal man ha? Man har hatt disse i 16 år. skal man ha? Man har hatt disse i 16 år. Skal man ha en ny høring og en ny utredning for hver gang det kommer ny snø? Det er det som er realiteten. Man gjør dette bare for å trenere saken. Man ønsker ikke å få denne løsningen. Det er en seier for SV i denne saken. Så enkelt og ærlig tror jeg man må si det. Det er mange som etterlyser Senterpartiet i denne debatten. Jeg skjønner godt at Senterpartiet ikke er her under denne debatten. Det har de ikke ryggrad til.

fortsatt ikke fått noe svar, verken fra Høyre eller fra Kristelig Folkeparti, på hvorfor de ikke gjorde noe med disse spørsmålene da de var i regjering. Kan vi få et svar på dette her i dag? Jeg kan hjelpe dem litt på vei: Kan det være fordi det i Sem-erklæringen ble slått fast at hovedprinsippet om forbud mot motorferdsel i utmark

foretas enkeltvis og uten å bli vurdert i en større sammenheng, vil lett kunne føre ut i nye gråsoner. Jeg finner det derfor ikke naturlig å ta stilling til enkeltforslag Det er jo dette denne saken dreier seg om. Man sier nei til enkeltforslag, men man går altså videre med et opplegg som regjeringen har lagt på bordet, som skal ut på høring, og som skal resultere i noe som er varig og håndfast – både for dem driver med motorferdsel i utmark, og dem som vil ha ro og fred på sine turer i utmarka. Jeg synes det tjener regjeringen til ære at de har kommet videre med et opplegg som vi har etterspurt i alle de år

Adgangen til å delta i prosjektet gis etter søknad til kommuner som ligger i det distriktspolitiske virkeområdet. Det iverksettes en ordning for perioden 2014–2018 hvor 40 kommuner gis anledning til å utprøve rekreasjonskjøring etter løype. Kommuner som inngår i ordningen, kan beslutte opprettelse av løype gjennom arealplanlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. De nærmere vilkår og rammer for planleggingen framkommer i Det skal være forbud mot løyper i bestemte områder, f.eks. verneområder – og villreinområder, som jeg også sa tidligere. Kontrolltiltak utøves etter samme regler som ved kjøring etter løype i Finnmark og Nord-Troms. De åtte kommunene hvor det i dag er forsøk med kjøring etter løype, innlemmes i den nye ordningen som 8 av 40 kommuner. Ordningen evalueres ved utgangen av perioden.

Det gis også åpning for følgende endring i adgang til rekreasjonskjøring i Finnmark og Nord-Troms: Kommunen skal kunne knytte sammen løyper i to tilgrensende kommuner uten å måtte redusere allerede eksisterende løyper. Reiselivsbedrifter gis økt adgang til kjøring for kunder til og fra reiselivsanlegg som ligger utenfor, Det er derfor vi har sagt at dette er en god og balansert løsning, og den ivaretar ikke minst flere hensyn. Derfor tror jeg det er viktig at når vi snakker om at dette er det opplegget vi har, må vi få muligheten til å komme tilbake til det. Da synes jeg kanskje man fra opposisjonens side kunne ha innrømt litt at vi er kommet et godt stykke på vei. Jeg må si at da representanten fra Venstre var her oppe i

svogeren min hadde scooterløyve. Når det gjelder det distriktspolitiske virkeområdet, vil Hallingdal ikke på noen som helst måte ha mulighet til å være med i dette prøveprosjektet som nå kommer. Valdres vil Det er blodig urettferdig. Da Senterungdommen, tre ordførere og elleve varaordførere fra Senterpartiet sto her utenfor Stortinget, var det glede i Fremskrittspartiet. Dagen etter var jeg så heldig å treffe Senterungdommens leder nede i stortingskantina, og hun sa at dette skal vi få til. Men plutselig var det altså noen i regjeringskontorene som tenkte at søren klype, her må vi plutselig var det altså noen i regjeringskontorene som tenkte at søren klype, her må vi gjøre noe, og nå må vi gjøre noe fort. Da kom pressemeldingen. Jeg er så heldig at jeg som stortingsvararepresentant i dag skal få lov til å trykke på den knappen som forteller meg at jeg ønsker at sånne som meg, som er lokalpolitikere, skal få lov til å være med og bestemme hvordan vi skal ha det i vår kommune. Det er jeg så heldig at jeg får gjort i dag. Jeg synes jammen meg synd på de Senterparti-folkene som er nødt til å trykke på en knapp de absolutt og totalt er imot. Det ble fra talerstolen spurt om hvorfor regjeringens forslag er så

vet hvor ender. Det som regjeringen og statsråden presenterer i dag – og absolutt ingen vet hva som kommer tilbake til Stortinget etter høringsrunden, heller ikke statsråden – minner oss først og fremst om en regjering som har panikk. Ikke minst synliggjør det et veldig stort amatørskap. Etter syv års utredning av denne regjeringen vet regjeringen like lite om saken som for syv år siden. Og hva kan grunnen være til det? Grunnen er enkel: Man vil ikke vite, for man vil ikke ha lokal forvaltning. Den saken Stortinget egentlig debatterer, er er jo om vi ønsker å ha en lokal forvaltning eller ikke. Her er altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV krystallklar: Det er langt bedre å trenere saken og skyve den ut i tid enn å behandle noe som helst på Stortinget. Hva er det de er så redde for? Jeg er fra Finnmark. Jeg bruker scooteren nær sagt hver gang jeg er hjemme i vinterhalvåret. Hva er det vi gjør som er så forferdelig? Jo, vi pakker scooteren ferdig, med ski og de ulike tingene som ungene må ha. Så drar vi på tur. Da kan vi være fra fem til femten familier som Ungene går på ski, renner og herjer. Andre fisker, og man sitter der og har det praktfullt. Men hvis bålplassen er uten le, kan det hende at vi må dra 350 meter utenfor løypa for å få le. Da kan vi alle risikere å få bot, for det er ulovlig.

I denne saken blir det bare tydeligere og tydeligere at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er totalt overkjørt av en miljøvernminister fra SV. Det har vært en avslørende debatt. Særlig Senterpartiet og Arbeiderpartiet er ikke til å kjenne igjen. For jammen har scooterpipa fått en annen låt. Jeg sitter med et fylkestingsvedtak fra Troms fylkesting fra desember 2012. Da stemte alle partier, unntatt SV og Rødt, for. Det betyr at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet har Det betyr at også Arbeiderpartiet og Senterpartiet har stilt seg bak et krav om at kommunene må gis mulighet til å opprette scooterløype for nærings- og rekreasjonskjøring gjennom prosesser hjemlet i plan- og bygningsloven. Klarere kan det ikke sies, og man la til: Det må skje snarest, vi har ventet lenge nok. Her er Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringskontorene og i Stortinget på klar kollisjonskurs med sine

lov. De som hadde et håp om at forsikringen fra senterparti- og arbeiderpartifolk om at regjeringen skulle komme med en lov som gjorde kommunene til herrer i eget hus, må jo oppleve det skisserte lovforslaget som et skikkelig slag i ansiktet. Norge har plass nok. Det kan ikke være plassmangel som er forklaringen på at regjeringen nå legger fram et så restriktivt lovforslag. Vi har areal nok til å kunne lage et løypenett for snøscootere og fortsatt kunne ta vare på dyreliv, naturverdier og samtidig kunne gå på ski og nyte verdens flotteste natur uten å bli sjenert av støy fra snøscootere. Å påstå noe annet er tøv. Som jeg kjenner våre lokalpolitikere, føler jeg meg veldig trygg på

Man vil sende scootertrafikken til Sverige og Finland. Man snakker om at man skal utvikle vinterreiselivet, men man nekter mesteparten av Norges vinterkommuner å gjøre noe for det. Jeg må bare konstatere at her er regjeringen mildt sagt på kollisjonskurs med sine egne folk ute i det ganske land, og man er på kollisjonskurs med det å
Neste taler er representanten

lenge ønsket at kommunene skal få mulighet til å opprette rekreasjonsløyper for snøscootere. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå har varslet at det kommer en sak til Stortinget som langt på vei imøtekommer dette. Grensekommunene skal få mulighet til å opprette løypene, pluss 40 forsøkskommuner. I alle kommuner i landet vil det bli mulighet for næringskjøring og nye arbeidsplasser knyttet til turisme

kommunesammenslåing og kommunegrenser selv. Der er et par partier her i salen som har en lang vei å gå. Når det gjelder forslaget, er det vist til Røros kommune. Man viser til at Røros etterspør scooterled. I Høyres merknader etterspør de muligheter for scooterled, mulighet for næringskjøring osv. Enten har de handlet mot bedre vitende eller så har de vært veldig dårlig til å velge eksempel. Røros kommune er en forsøkskommune. Røros kommune har mulighet til å opprette scooterløyper. De har et lokaldemokrati som har sagt at de ikke ønsker det. Jeg håper Høyre ikke mener at man skal pålegge kommunene å opprette det. Jeg mener det skal være en mulighet, ikke et pålegg. Røros kommune har næringskjøring. Alle hoteller på Røros annonserer med snøscootersafari, så i Røros kommune

Det må være frivillig. Røros er en grensekommune og vil dermed komme innunder den ordningen. For alle de andre kommunene som måtte ønske det, vil det være mulig å søke om å bli en forsøkskommune. Jeg kommer derfor ikke til å støtte Dokument nr. 8-forslaget i dag.

fra Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har ingen tradisjon for å vedta lover gjennom å diskutere den slags forslag i Stortinget. Vi har lagt vekt på å legge fram forslag som kommer fra regjeringen i henhold til ordinære lovprosesser. Det har saksordfører Strøm redegjort for. Jeg kan gjenta det på nytt: Alle grensekommunene blir med i denne ordningen for grensekommunene, som er en varig ordning. Alle landets kommuner ellers kan søke om utvidet næringskjøring – en løyveordning koblet til reiselivet. Jeg behøver ikke å gå det. De 40 kommunene som skal ha en prøveordning, vil ha mulighet til å søke om dette innenfor det distriktspolitiske området. Det vil også innebære at mange kommuner vil få en utvidet mulighet til det jeg kaller rekreasjonskjøring. Det har vært viktig for oss – lokalt selvstyre i den sammenheng er viktig for oss. Så har jeg lyst til å spørre, siden det er veldig mange her som her som svinger seg til de store høyder i beskrivelsen av de forslagene som foreligger – og ikke minst når det gjelder det som har blitt signalisert fra regjeringen: Hva er det egentlig Høyre og Fremskrittspartiet snakker om når de ønsker å ta vare på naturen og ønsker å kjøre scooter? De har i sine forslag foreslått barmarkskjøring. I Dokument 8-forslaget fra Høyre

Her er det flere som trenger å rydde opp litt i begrepsbruken og argumentasjonen i saken. La meg til slutt si om Tollvesenet – og jeg har også hørt at politiet har uttalt seg, i alle fall i Trøndelag: Tollvesenet og politiet er nødt til å forholde seg til de lover og regler som Norge har. Jeg har gått mange ganger på ski over grensen til Sverige. Jeg har vært i Sverige og handlet – det vet dere også Sverige. Jeg har vært i Sverige og handlet – det vet dere også – for jeg har i mange år vært på hyttetur i Sverige. Men det har aldri hendt at Tollvesenet har kommet etter meg der – og jeg kunne jo selvsagt hatt et eller annet i sekken Presidenten vil minne om taletiden. Denne kvelden blir lang nok, selv om man holder taletiden. Representanten Lars Egeland har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

politikk. Mange av oss er bekymret for at det vil føre til en veldig sterk økning i snøscootertrafikken om vi lar alle kommunene få styre dette selv. Jeg ser heller ikke gevinsten ved at Hægebostad kommune skal få retten til å styre dette, når de ikke sjøl vil ha slike løyper. Så gjør representanten Korsberg det til et personlig prosjekt å sørge for at det skjer noe på dette området. området. Da har jeg lyst til å si: Det kan gjerne være et personlig prosjekt for meg – og også for miljøvernministeren, tror jeg – å understreke at dette er ny politikk, dette er ikke trenering, det kommer et forslag om ny politikk på høring. Mange har etterlyst hvor Senterpartiet er

Senterpartiet har lovet en liberalisering av lov om motorferdsel i utmark. En liberalisering blir det, om enn ikke for alle kommuner i første omgang, som mange av oss ønsker. Denne liberaliseringen handler ikke om snøscooterkjøring overalt. Den handler om at kommunene selv skal få lov til å bestemme om de vil tillate rekreasjonskjøring med snøscooter. I Hedmark, der jeg

som mange har sagt her før, men i tillegg – og det er det slett ikke mange som har sagt – skal alle grensekommunene få muligheten til å anlegge snøscooterløyper. Så er det snakk om dobbeltmoral – om vi skal sende snøscooterkjørere til Sverige. Selvsagt skal de ha en løype i sin egen kommune som de kobler sammen med løyper i Sverige. Da regner jeg faktisk med at det ikke blir enveiskjøring på grensen. Så snakket representanten Brekk om at det er den som lager lover og representanten Brekk om at det er den som lager lover og regler, som skal bestemme om det skal være lov til å krysse grensen eller ikke. Det må nok Tollvesenet forholde seg til. I tillegg til dette skal også reiselivsnæringen i Norge – i alle kommuner – få lov til å legge opp løyper for snøscootersafari dersom kommunen tillater det. Det er derfor en god ordning, som kommunene selv vil ha ansvaret for, som kommer. Men det er riktig som det er blitt sagt: Det er ikke den vi diskuterer her i dag. Jeg har lyst til å nevne én ting til: Det er helt feil – og det er blitt sagt av flere av representantene – at Hallingdal ikke er med i distriktsvirkemiddelområdet. Visst er de det, men de er ikke i sone 4 eller 5. Det forundrer meg at representantene fra Hallingdal ikke vet det. Jeg ser fram til å få denne ordningen på plass. Det blir en god ordning for Distrikts-Norge, men det er – ganske riktig – ikke denne ordningen vi diskuterer her i dag. Det er grunnen til at jeg stemmer nei til

2012 – og jeg har også fått høre det nå, i 2013. Det er noen som prøver å få til noe, og så er det noen som synes det er vondt og vanskelig å stemme for et Dokument 8-forslag, men man leverer ikke noe som helst til Stortinget, i tråd med valgløftene. Så jeg er glad for at representantene fra Senterpartiet sier at de er glade. Det skal jeg sørge for

salen. Hvis det er sånn at vi i Stortinget har begynt å behandle pressemeldinger, vil det være en ny tradisjon som jeg håper presidentskapet rydder opp i. Det vi vet kommer, er som sagt rekreasjonskjøring i næring. Det synes jeg er en morsom betegnelse. Det betyr, akkurat som det gjorde den første gangen jeg hadde ordet, at man kan reise opp i fjellet og leie scooter av en grunneier lokalt, og så kjøre rekreasjonsløyper – kanskje, vi får se når dette kommer. Men det betyr også

Man har holdt på med dette forsøket i tolv år – i tolv år! Det er få ting som er forsket på og undersøkt så mye som dette. Hva er det vi ikke vet i dag, som vi skal få vite ved å holde på i seks–åtte år til? Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet, men når en sitter her i salen og hører på denne debatten, minner det meg litt om det gamle NRK-programmet «Du skal høre mye». Jeg registrerer at representanten

Den samme representanten sier også at hun føler seg temmelig sikker på at når forsøket er ferdig, blir det en permanent ordning. Jeg vil gjerne at de rød-grønne partiene går opp på talerstolen i dag og bekrefter at det er tilfellet, at alle kommunene da får selvråderett og får bestemme dette selv i fremtiden. Selvfølgelig er det ikke det som ligger inne i det man kaller et kompromiss, som ingen har sett. Dette er et tydelig bevis på at det er et tydelig bevis på at det er stor uenighet i regjeringspartiene. Man forsøker å trenere saken videre for ikke å ta stilling – det er det som er sakens kjerne. Og det er Senterpartiet som har tapt, og ikke klarer å stå for den retorikken man er for. Jeg må også si at jeg blir litt skuffet – og jeg lurer på om jeg har men det kan godt være at man har ordlagt seg litt feil, for jeg noterte at det ble sagt at det er ingen tradisjon å diskutere lovforslag her. Unnskyld meg, men er ikke dette den lovgivende forsamling? Er det ikke nettopp denne salen som vedtar lovene i det norske samfunn? Det er vel ingen sal som diskuterer mer lovforslag enn Stortinget. Og at vi heller ikke skal gjøre det når det gjelder motorferdsel i utmark, blir for meg helt ubegripelig. når det gjelder motorferdsel i utmark, blir for meg helt ubegripelig. Det er 14 år siden jeg første gang fremmet et representantforslag om å la kommunene få lov til å få forvaltningsretten over scooter. 14 år har gått, og – uten å gjenta representanten Liens holdninger og argumentasjon i denne salen – argumentasjonen har vært den samme. Da blir mitt spørsmål, eller konklusjon, ganske enkelt: Når vi har ventet i 14 år, og når det bare er ett eneste ord i § 3 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som trenger å endres eller fjernes for å ha dette på plass – hvorfor kan ikke Senterpartiet støtte forslaget? Det handler ikke om barmarkskjøring. Hvorfor kan ikke Senterpartiet støtte forslaget? Hvis Senterpartiet skal Hvis Senterpartiet skal liberalisere lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og man ikke kan fjerne bare ett ord, ordet «denne» – ja, hvordan skal man da liberalisere den loven? Kan Senterpartiet forklare meg det? Senterpartiet kaster rett og slett blår i øynene på distriktene og har ikke tiltro til lokaldemokratiet i

Vi vil sende forslaget på høyring – som ein skal gjere med eit sånt forslag i demokratiet – og kunne kome tilbake til ytterlegare detaljar og diskusjonar om det. Det vil heilt sikkert verte anledning til å diskutere det ytterlegare her i salen etter kvart. Eg fekk fleire spørsmål under debatten – først frå representanten Harberg: Han spør om eit etablert løypenett i Sverige, og om det ville vore ok med scooterkøyring i etablerte løypenett i Noreg. Svaret er ja. Der det vert etablert løyper, trur eg dei kjem til å verte brukte, slik som i Nord-Troms og Finnmark i Noreg. Og eg synest det er naturleg at løypenetta i Sverige og Finland, f.eks., vert brukte. Han spør om forsøksordninga viser vilje til noko meir. Til det trur eg eg vil svare at det vi legg fram no, viser vilje til det vi legg fram no. Så vil det heilt sikkert, både i denne salen og elles i samfunnet, vere ulike syn på desse politikkområda som vi er godt kjende med over tid. tid. Utveljinga av kommunane opplever eg det har vore svart på ganske mange gonger her oppe. Når det gjeld ordninga for dei 40 kommunane, skal ho vere søknadsbasert. Representanten Lien spurde om kunnskap: Kva er det vi ikkje veit? Vi veit ein del, og derfor gjer vi nå ein del endringar. Men eg trur det er nyttig å følgje opp dei endringane vi gjer, med å etablere meir kunnskap. Det er veldig sjeldan sånn at meir kunnskap viser seg å vere farleg i ettertid. Heilt til slutt har eg lyst til å seie at eg ikkje har

Fleire parti i Noreg har over noko tid vore tilhengarar av å gjere noko med motorferdsleregelverket – rollene har skifta litt, men det er berre eitt parti som dei siste ti åra har lukkast med å gjere substansielle endringar i det, og det er Senterpartiet. Eg trur at mange i Bygde-Noreg og dei som er einige med partiet i sak, vil merke seg det, og eg trur at grunnen til at dei og eg trur at grunnen til at dei vil merke seg det, er det langvarige engasjementet partiet har lagt ned, og prioriteringa av det området. Eg synest dette høyrer med i det biletet som har vore presentert her i salen.
det gjelder snøscooter, etter 16 år på Stortinget. I motsetning til enkelte partier har Fremskrittspartiet stått for det samme i alle de 16 årene. Vi har snakket om snøscooter, om å liberalisere motorferdselloven og om å gi det enkelte kommunestyre eller den enkelte kommune I motsetning til representanten Brekk, som prater om at tomme tønner ramler mest, skifter i hvert fall ikke Fremskrittspartiet mening fra vi er på Løvebakken til vi kommer på talerstolen. Det synes jeg enkelte skal ta til seg. Jeg registrerer også at alle i regjeringspartiene er fornøyd. SV er fornøyd, og det skjønner jeg. Arbeiderpartiet er fornøyd, og det kan jeg også godt skjønne. Men at Senterpartiet er fornøyd, kan jeg fortsatt ikke skjønne, selv om det har vært noen representanter fra Senterpartiet på talerstolen. Og jeg kan i hvert fall ikke skjønne at representanten fra Senterpartiet i Hedmark er fornøyd, når man ser på hvordan en snøscooterlov eller motorferdsellov kunne gitt nye, trygge arbeidsplasser og gjort livet interessant på mange måter for dem som lever i Hedmark. Det samme gjelder for mange, mange andre kommuner også. Jeg har mange kamerater som reiser til Sverige for å kjøre snøscooter. snøscooter. Grunnen til at de gjør det og ikke kjører i Hedmark, f.eks., er jo at det ikke er lov. De reiser til Sverige i weekender med familie og venner, kjøper snøscooter i Sverige, kjøper bensin og olje, overnatter der på hotell eller hytter eller leier seg et hus eller kjøper et lite torp eller småbruk, og de er der hele helgen og legger igjen mye penger. Grunnen til at de gjør det, er at det å ha en snøscooter i kontrollerte former og kjøre på godkjente leder gir dem livskvalitet. Den livskvaliteten å ha en snøscooter i kontrollerte former og kjøre på godkjente leder gir dem livskvalitet. Den livskvaliteten kunne de like gjerne hatt hjemme i sitt eget fylke, men det får de altså ikke lov til. Regjeringspartiene vil ikke gi den enkelte kommune mulighet til å gi innbyggerne det de etterspør. Det er helt greit hvis det er et kommunestyre som sier nei, og som ikke vil ha denne typen motorferdsel og ikke tillater snøscooter da er det helt greit. Men Fremskrittspartiet ønsker å støtte de kommuner og kommunestyrerepresentanter som ønsker å gi sine innbyggere den muligheten. Jeg tror at hvis dette hadde gått igjennom, hadde livskvaliteten, næringsgrunnlaget etc. vært mye bedre. Jeg kan også love at den som kommer etter meg på Stortinget, den som kommer etter meg på Stortinget, vil fortsette å jobbe for at det å kjøre snøscooter skal det være opp til den enkelte kommune å si ja eller nei til.

forslaget som ligger på bordet i dag. Det er klart at det bare er én grunn til at det tok fem måneder: å få det utsatt lengst mulig. Dette må tåkelegges nå i valgkampåret. Det er en elendig sak, spesielt for Senterpartiet, men også for i hvert fall Arbeiderpartiet. Bypartiet SV er det vel kanskje ikke så viktig for, men det er en ren trenering som er gjort.

ut tiden. Brekk ønsker ikke å diskutere lovforslag i denne sal. Som Robert Eriksson sa, det er vi i denne salen som gir lover, så vi må også diskutere dem. Lars Egeland ønsker ikke å gi makt til politikerne på kommunenivå. Det forstår jeg, det er det SV står for.

ta lovforslag på sparket etter et Dokument 8-forslag i denne sal. Det er det som er utgangspunktet vårt, som også flere av våre representanter har understreket. Det er ett poeng. Selvsagt er det slik at det er Stortinget som vedtar og diskuterer lover – det skulle bare mangle. Det er det vi tar sikte på når regjeringen skal legge fram forslag til endringer i motorferdselslovverket så snart som mulig, som skissert i det som har kommet fra regjeringen og regjeringspartienes side. Det andre poenget jeg har lyst til å understreke enda mer, er at når vi nå snakker om motorferdsel i utmark, er det en balansegang, som mange har sagt, mellom det å tillate bruk av motorisert kjøretøy – scooter, firehjuling eller hva vi nå kaller det – og det å ivareta natur og dyreliv. Denne balansegangen sier alle sammen at de ønsker å ivareta. Det partiet som på sett og vis er mest uklart når det gjelder akkurat det, er Høyre, som har kommet med

enn av lokalpolitikerne i Nord-Trøndelag og i resten av landet. Det synes jeg er et oppsiktsvekkende standpunkt, men jeg har merket meg det. Denne debatten blir lang nok, så Denne debatten blir lang nok, så jeg skal være kort. Vi skal ikke gjøre det til en lokal debatt, men jeg ble utfordret av Fremskrittspartiets representant fra Hedmark på hvordan jeg kunne være fornøyd med forslaget regjeringen vil legge fram. Hedmark har 23 kommuner. Det er åtte grensekommuner som gjennom forslaget får mulighet til scooterkjøring. De fleste andre kommunene kan søke om rekreasjonskjøring. Alle 23 kommunene kan søke om næringskjøring. Derfor vil vi gjennom det kommende forslaget legge til rette for næringsutvikling i Hedmark, og derfor kan jeg stemme mot dette Dokument 8-forslaget med god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

Flertallet har konkludert med at Statnetts brukerråd og brukernes representasjon i Statnett SFs styre skal opprettholdes. Flertallet ber også regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer, som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Flertallet går også inn for at

med et eget råd av sentralnettbrukere skulle opphøre. I budsjettdokumentet for 2013 ble det bemerket at det i lys av Statnetts store utbyggingsoppgaver de neste årene er viktig å sikre foretakets nøytralitet. Det er viktig å stå fast ved denne endringen, fordi dette må ses i sammenheng med de store endringene i kraftforsyningen som skjedde ved

er enig om at det er Statnett og de større regionale nettselskapene som er ansvarlig for bygging og drift av det sentrale strømnettet, og at energimyndighetene har en rekke tiltak og virkemidler som påvirker investeringene. Komiteen viser til at det er innført krav om ekstern kvalitetssikring av store energimyndighetenes styring med konseptvalget og den faglige kvaliteten på beslutningsgrunnlaget. Fra regjeringspartienes side oppfatter vi denne prosessen som betryggende og at den tilrettelegger godt for nødvendige nettinvesteringer. Dette er også det beste grunnlaget for å sikre en trygg strømforsyning for hele landet. Jeg synes ikke det er vanskelig å forstå industriens bekymring for hva dette vil bety av kostnader for dem. Samtidig vet jeg at vi har en regjering som er opptatt av at industrien skal overleve, og at det skal skapes langsiktighet for bedriftene. Dette er godt dokumentert gjennom de grep som hittil er tatt for industrien. Derfor føler jeg meg trygg på at dette vil bli resultatet også i denne saken. Jeg kommer selv fra en landsdel som sårt trenger et nett som er langt mer tidsmessig enn i dag, og som kan skape trygghet for den strømforsyningen som er så avgjørende for både bosetting og næringsliv. Statsråden har i brev til komiteen en meget god måte også redegjort for kostnadsfordelingen i sentralnettet, og en samlet komité deler regjeringens syn på at kostnadene for det maskede sentralnettet fortsatt skal fordeles på alle kundene. Regjeringspartiene deler også statsrådens syn på at Statnett som systemansvarlig har den beste forutsetningen for å av utenlandsforbindelser opp mot det norske kraftsystemet som helhet. Regjeringspartiene kan derfor ikke se at det er nødvendig å fremme en egen sak for Stortinget om fordeling av kostnadene i sentralnettet. Jeg tar da opp det foreliggende forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Da har representanten Bendiks H. Arnesen tatt det forslaget han refererte til.

Komiteen har likevel ønsket og valgt å behandle disse forslagene separat. Helt siden i begynnelsen av 1990-årene har det vært investert lite i det sentrale overføringsnetttet. Det har derimot vært drevet med nødvendig effektivisering, og det er i dag et stort behov for å øke kapasiteten og bygge om deler av strømnettet. Det er nødvendig å bygge ut strømnettet av å skaffe bedre sikkerhet for strømleveranser til deler av landet som i dag har et svakt sentralnett. Fornybar energi har blitt gitt en skikkelig pådriver av ordningen med grønne sertifikater sammen med Sverige. Det skaper behov for nye kraftlinjer for å få strømmen fram til forbruker. Planene om elektrifisering av sokkelen er også med på å skape etterspørsel etter nye kraftlinjer. Sentralnettet er en nasjonal infrastruktur som kommer hele landet til gode. Det er i de flestes interesse å opprettholde og utvikle denne infrastrukturen. Kostnadene fordeles på alle kundene i sentralnettet. Nytt forbruk eller ny produksjon tilknyttes ofte sentralnettet via radialer. Nytten av radialene kan som regel føres tilbake til få brukere. Fremskrittspartiet mener staten bør vurdere om det er økonomisk riktig at et lite antall dekker alle kostnadene for disse radialene. Anleggsbidrag og tariffbestemmelsene kan bli for store økonomisk. Fremskrittspartiet mener at det bør vurderes om ikke storsamfunnet også vil dra stor nytte av radialene og derved ta en del av kostnadene. Statnett har meget store utbyggingsplaner det neste

kr. Kraftnettet er et monopol, og dagens ordning er at alle kostnader dekkes av konsumentene. Fremskrittspartiet er av den oppfatning at en del av kostnadene bør kunne dekkes av fellesskapet over skatteseddelen. Gjøres det på denne måten, vil det være med på å få i gang mer industrireising i distriktene. I dag er dette vanskelig bl.a. på grunn av dyre kraft- og nettutgifter. De største brukerne av sentralnettet har hittil vært representert i Statnetts styre. Denne ordningen ble avviklet etter vedtak i statsbudsjettet. Dette gjorde Statnetts organer mindre synlige, og de største aktørene i dette markedet mener at deres syn er så viktig at ordningen med brukerråd ikke burde vært avviklet. Forslagsstillerne av representantforslaget er representantforslaget er av den klare oppfatning at ordningen med Statnetts brukerråd og brukerrepresentasjon i Statnetts styre burde videreføres. Forslagsstillerne mener at det ville være naturlig om Stortinget fikk behandle de planlagte investeringer i sentralnettet. En slik behandling ville være på linje med Stortingets behandling av petroleumssektoren og investeringer i samferdsel.

kablene vil i stor grad komme strømprodusentene til gode. Stortinget burde derfor vurdere nettariffen. Fremskrittspartiet mener at en del av disse utgiftene kunne dekkes av staten. Dette ville være på samme måte som at staten dekker direkte en del av kostnadene til annen infrastruktur uten at brukerne fullt ut dekker utgiftene. Til slutt vil jeg anbefale komiteens innstilling, som Fremskrittspartiet, Høyre og

bak. Statnett har store investeringsplaner for sentralnettet i den kommende tiårsperioden, og i den reviderte nettutviklingsplanen som ble presentert i juli 2012, anslås investeringsbehovet å være i størrelsesorden 50–70 mrd. kr. Det er stor politisk enighet om behovet for investeringene – både for å fjerne flaskehalser i nettet, for å kunne ta for å kunne ta imot økte mengder fornybar energi i tråd med målsettingene med elsertifikatmarkedet og EUs fornybardirektiv, og med tanke på forsyningssikkerhet og å sikre beredskap til et samfunn som i stadig økende grad blir elektrifisert, og hvor vi gjør oss avhengig av strøm til vitale samfunnsfunksjoner. Store investeringer betyr også endringer i nettariffene. Statnett er en monopolist, og det er brukerne av nettet – dvs. husholdningene, næringsliv, industri og kraftprodusentene – som betaler etter en nærmere angitt fordelingsnøkkel. Høyre mener det ville være naturlig å diskutere kostnadsfordelingen for sentralnettet i lys av de store investeringene vi har foran oss. Vi har etterlyst denne vurderingen i flere sammenhenger, bl.a. da Stortinget i fjor behandlet nettmeldingen «Vi bygger Norge Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har ikke ønsket å ta denne debatten og vurderingen – dette på tross av signaler og frykt for konsekvensene av en to- til tredobling av tariffene for industrien. Her snakker vi om store summer – flere titalls millioner i økte kostnader. Industrien krever at sentralnettariffen må ta hensyn til Mange aktører har en ganske marginal lønnsomhet for tiden. Dessverre fikk 250 ansatte ved Södra Cell på Tofte en tung beskjed i går – uten at jeg skal knytte dette direkte opp mot kommende endringer i sentralnettariffen, men brukt som et eksempel på at mange industribedrifter er i en ganske krevende situasjon. Kraftprodusentene på sin side frykter også en økning av tariffene, og de påpeker at økte kostnader kan medføre en redusert investeringsvilje i Norge under elsertifikatmarkedet. Hvis dette er riktig, risikerer vi at norske forbrukere vil subsidiere investeringer i fornybar energi i Sverige, siden Norge uansett skal finansiere halvparten av de 26,4 TWh ny fornybar produksjon elsertifikatmarkedet skal stimulere fram i Norge og Sverige. I dette bildet velger altså regjeringen å videreføre dagens nettkostnadsfordeling. Statnett arbeider i disse dager med en revidert tariffstrategi for sentralnettet for perioden

Videre må Statnett kunne levere prosjekter innenfor tids- og kostnadsrammer som viser kontroll i alle ledd. Innsyn og åpenhet vil også for Statnett kunne være en kvalitetssikring. Høyre mener regjeringen tok en feil beslutning ved å legge ned Statnetts brukerråd og brukernes representasjon i Statnetts styre. Vi trenger mer, ikke mindre åpenhet og mulighet for innsyn i en periode med så store investeringer.

Høyre mener vi må øke ambisjonene på dette området i form av økt kapasitet, slippe alle gode krefter til i byggingen av disse forbindelsene og signalisere en aktiv holdning til samarbeid med våre

Det gjelder sentralnettet, det gjelder regionalnettet og det gjelder nye utenlandsforbindelser, for å bidra til forsyningssikkerhet og større evne til kraftutveksling for å styrke bruken av uregulerbar fornybar kraft fra vind og sol. Det vil være utfordrende med hensyn til både planlegging og gjennomføring og hensyntaken til natur

forbruk. Regjeringa vurderer også endringer i lovverket med sikte på ytterligere å styrke industriens tilgang til kraft, som vi mener er viktig. SV mener også at det er riktig å åpne for anleggsbidrag for radialene, som komiteen er enig i. Det er riktig at de som utløser et behov for nettutbygging, må bidra ekstra. Det er noen punkter der det er uenighet mellom den rød-grønne fraksjonen og høyrefraksjonen. Det gjelder selvfølgelig krav om mer utredning, som opposisjonen pleier å stille krav om. Deretter er det spørsmål om Statnetts brukerråd, som høyrefraksjonen vil ha gjenopprettet. Det er egentlig litt overraskende at høyrefraksjonen står for det, fordi det innebærer et brudd med det som er vanlig forretningsmessig organisering. På den annen side er det viktig at brukerne blir hørt, og det er viktig også å erkjenne at brukerne faktisk ikke har felles interesser. Jeg har derfor tro på det brukerforumet som Statnett nå har opprettet, samtidig som det er viktig å si at den politiske styringen av Statnett må sørge for å følge opp de ulike brukernes synspunkter. Ellers tar Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti til orde for at utenlandskablene kan være privateide. Regjeringa har nå et forslag om offentlig eierskap på høring. Konkurransetilsynet påpeker at Statnett må være eier av utenlandsforbindelsene fordi vi trenger en nøytral aktør. Vi kan ellers risikere at kraftprodusentene får en urimelig stor makt ved både å produsere og ha kontroll over infrastrukturen. Men Høyres, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis holdning er i tråd med de samme partienes politikk om salg av offentlig eierskap til norsk vannkraft ved å sette Statkraft på børs eller å dele selskapet. For SV er det imidlertid viktig å ha et offentlig eierskap både til naturressursene og til infrastrukturen knyttet til dette. Dette er naturressurser som skal komme folket til gode, og som skal forvaltes til beste for

folket. Representantforslaget vi behandler nå, handler om tre beslektede temaer: brukerrepresentasjon i Statnetts styre, opprettelse av nasjonal plan for kraftlinjer og fordeling av kostnader i sentralnettet. I statsbudsjettet for 2013 foreslo regjeringen at ordningen med sentralnettbrukernes råd og direkte brukerrepresentasjon i Statnetts styre skal avvikles. Senterpartiet støtter disse endringene. Ordningen ble etablert for over 20 år siden, i forbindelse med omorganiseringen av Statkraft. Ordningen ga mening for 20 år siden, det gjør den ikke lenger.

For å oppfylle ansvaret må foretaket ha god kontakt med alle sine brukere. Det ble også lagt opp til at brukerkontakten vil bli styrket nå som ordningen med sentralnettbrukernes råd er opphørt og Statnett selv organiserer brukerkontakten. Når det gjelder nasjonal plan for kraftlinjer, mener Senterpartiet at det ikke er behov for å fremme nasjonal plan for kraftlinjer i hver stortingsperiode. Vi mener at dagens arbeidsdeling, hvor regjeringen legger fram målene og hovedlinjene i nettpolitikken og nettselskapene har ansvaret for å fremme de gode prosjektene, legger godt til rette for at det kan gjennomføres nødvendige nettinvesteringer for å gi en sikker og trygg strømforsyning i hele landet. Til slutt: Når det gjelder forslaget om å legge fram en sak for Stortinget om fordeling av kostnader i sentralnettet mellom produsenter og forbrukere, mener vi at kostnadene for det maskede sentralnettet fortsatt skal fordeles på alle kundene. Statsråden har snakket om at det blir godt for helheten i energipolitikken og hvordan det vil påvirke kostnadene for industrien. Senterpartiet støtter derfor ikke endringene i kontrollforskriften

Økt investeringsnivå i sentralnettet vil med sikkerhet føre til økte nettariffer, noe som vil kunne ramme hardt, spesielt for kraftintensiv industri. Kristelig Folkeparti mener derfor det er behov for en nærmere vurdering av framtidig kostnadsfordeling i sentralnettet mellom produsenter og forbrukere. Kristelig Folkeparti er opptatt av at kundesiden blir ivaretatt og opplever en trygghet med tanke på behovet for planlagte investeringer, kostnadsanslag og prosjektgjennomføring. Ordningen med et brukerråd og brukerrepresentasjon i Statnetts styre har hatt som formål å sikre brukerne innsyn og innflytelse over Statnetts disposisjoner. Brukerrådet ble avviklet av regjeringen fra i år. Avviklingen var uheldig for åpenhet og innsyn i Statnetts prioriteringer og drift. Kristelig Folkeparti mener derfor at Statnetts brukerråd og brukernes representasjon i Statnett SFs styre burde Statnett og de større regionale nettselskapene er i dag ansvarlig for bygging og drift av det sentrale strømnettet. Slik skal det fortsatt være. Myndighetene har en rekke tiltak og virkemidler som påvirker investeringene. Blant annet må nye prosjekter ha konsesjon etter energiloven. Kristelig Folkeparti mener imidlertid det bør vurderes en sterkere forankring og involvering av politiske myndigheter i den Flere store kraftledningssaker, herunder framføring av nye kraftlinjer fra Sima til Samnanger og fra Ørskog til Fardal, taler for at Stortinget bør involveres sterkere i arbeidet med styrking av kraftnettet og framføring av nye kraftlinjer i Norge. Kristelig Folkeparti mener det vil være naturlig at Stortinget får de store planlagte investeringene i sentralnettet til behandling i form av en nasjonal plan for kraftlinjer, som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget én gang i løpet av hver stortingsperiode. Begrunnelsen for dette er det betydelige etterslepet i investeringer som har bygd seg opp over flere tiår, og mangelen på helhetstenkning som i dag preger nettpolitikken. Et konkret eksempel på dette er de utsiktene som nå foreligger for betydelig økt olje- og gassaktivitet i nord i nær framtid samt det uutnyttede potensialet for fornybar energiproduksjon som finnes i Nord-Norge. Manglende kapasitet i strømnettet framstår i dag som den fremste for elektrifisering av framtidige oljeinstallasjoner i nord, og for å kunne utnytte de store fornybare energiressursene i landsdelen. Så til sist utenlandskabler. Her må jeg bare si at jeg sliter med å skjønne hva statsråden egentlig mener. Signalene har gått i begge retninger. Er statsråden for eller mot nye utenlandskabler? Det hadde vært fint å få en avklaring på dette. Statnett har halvert ambisjonene for utenlandskabler, med begrunnelse i at det ikke er nok kapasitet i det norske sentralnettet til å gjennomføre en større satsing på utveksling med våre naboland. Dette opplyses fra Statnett, uten at det gis innsyn i data som er nødvendig for å gjøre en uavhengig kapasitetsanalyse. Derfor tillater jeg meg å spekulere om det kanskje ligger noen politiske føringer bak denne endringen. Mangelen på overføringskapasitet er med på å undergrave effekten av grønne sertifikater, fordi kraftprodusenter og utbyggere som regner på lønnsomhet bl.a. i nye vindparker, er nødt til å ta høyde for lave kraftpriser som følge av kraftoverskudd og mye innestengt kraft. Her virker det som om statsråden er altfor bakoverlent. Det ser ut som om han ikke vil ta inn over seg realiteten, og synes å tro at han kan true kraftselskapene til å bygge uavhengig av lønnsomheten i prosjektene. Folkeparti ønsker en mer offensiv politikk for utenlandskabler. Vi er positiv til at også andre aktører kan initiere, bygge og eie utenlandsforbindelser. Kontroll ivaretas ved konsesjonstildeling, og gjennom avgifts- eller skattesystem kan myndighetene regulere og kanalisere tariffinntekter tilbake til sentralnettet på samme måte som i dagens regime. Derfor støtter Kristelig Folkeparti forslagene.

skal fattes, for å få best mulige vedtak, spesielt med tanke på å ivareta både brukernes interesser og samfunnets interesser. Brukerne har en viktig røst når store kostnader skal fordeles og vedtak om store investeringer fattes. Dette er nevnt av flere. Når det gjelder en nettmelding, er det fra Venstres side viktig å presisere at denne skal gjelde de overordnede føringene på nettpolitikken og ikke en detaljplan for alle linjene som skal bygges, med trasévalg og konsesjoner. Overordnede planer er viktige, slik at Stortinget får diskutert politikken, samtidig som detaljene fortsatt skal ligge på forvaltningen og regjeringens bord. Til slutt vil jeg bare nevne at ved fordeling av kostnadene for et sentralnett er det to elementer som det må tas høyde for. For det første er industrien i en internasjonal konkurransesituasjon og store nye kostnader vil forverre denne situasjonen. De må selvfølgelig ta en andel, men tåleevnen må vektlegges. For det andre gjelder Etter at vi har inngått avtale om et felles grønt sertifikatmarked med Sverige, og vindkraft allerede har dårligere avskrivningsregler enn i Sverige, vil større kostnader gjøre at norske prosjekter har dårligere konkurransevilkår enn de svenske, og en større andel havner nettopp der. Dette er ikke heldig.

og på bakgrunn av de store endringene som fant sted ved omorganiseringen av Statnett og Statkraft for over 20 år siden. Tiden er nå moden for at brukernes innflytelse i foretaket organiseres på en måte som i større grad samsvarer med ordinær selskapsorganisering. Som sentralnetteier og systemansvarlig har Statnett en helt Foretaket må derfor fortsatt ha en utstrakt dialog med brukerne av sentralnettet. I stedet for at departementet utnevner medlemsorganisasjoner, er det nå Statnett selv som organiserer brukerkontakten, slik at kontakten dekker flere brukere og flere typer saker alt etter behov. Jeg mener at Statnetts brukerkontakt vil bli styrket, ikke svekket, nå når ordningen med sentralnettbrukernes råd Representantene har også foreslått at det utarbeides en nasjonal plan for kraftlinjer, som oppdateres og fremmes for behandling i Stortinget en gang hver stortingsperiode. Regjeringen la i nettmeldingen politikken for utbygging og reinvesteringer i det sentrale overføringsnettet for strøm fram for Stortinget. I meldingen har vi presisert skillet mellom ansvaret til nettselskapene – systemoperatørene – og ansvaret til energimyndighetene – regulator, departement. Nettselskapene har ansvaret for byggingen og driften av strømnettet. Myndighetene har en rekke tiltak og virkemidler som påvirker investeringene, og utbyggingsprosjektene må ha konsesjon etter energiloven. Framfor å lage en nasjonal plan for kraftledninger mener jeg det er langt mer hensiktsmessig at regjeringen legger fram målene og hovedlinjene i nettpolitikken, slik vi har gjort gjennom nettmeldingen. Blant annet har vi i meldingen gjort endringer i planlegging og konsesjonsbehandlingen for å styrke tidlig involvering av interessenter og tydeliggjøre de politiske valgene som må tas knyttet til beslutningen om store kraftledninger. Regjeringen har nå klargjort målene for nettutvikling, og det er nettselskapenes ansvar å fremme de gode prosjektene. Jeg merker meg at det er enighet om at alle kundegruppene skal være med på å betale for de økte kostnadene i sentralnettet. Jeg er fullstendig klar over at nettariffene utgjør en betydelig kostnad for industrien, men det blir feil å se nettariffene løsrevet fra den totale energipolitikken. Regjeringen har lagt godt til rette for industrien framover. Blant annet har vi fått på plass en CO2-kompensasjonsordning som industrien har ønsket og bedt om. Vi har også fått på plass elsertifikat som industrien slipper å betale for, men som man høster fordelene av gjennom at man legger til rette for mer fornybar kraft i årene framover. Det presser den totale regningen ned, ikke opp. Videre har industrien også selvsagt nytte av bedre fungerende elmarked og økt forsyningssikkerhet, som kommer som en følge av disse investeringene. Statnetts prisstrategi for årene 2014–2018 legger også opp til at industri med lang brukstid og høyt maksuttak fortsatt skal betale en lavere nettariff enn øvrige brukere. Når det så gjelder utenlandsforbindelser, mener regjeringen at det er viktig med en koordinert utvikling av utenlandsforbindelser, sett i sammenheng med utviklingen av det innenlandske sentralnettet og innenlands forsyningssikkerhet. Jeg mener at Statnett som systemansvarlig har best forutsetninger for dette. Det er også viktig at eierskap til infrastruktur er adskilt fra kraftproduksjon og andre særinteresser. Det var et skille som Stortinget fastla gjennom energiloven for over 20 år siden. Jeg mener at det er et riktig skille, og et skille som bør bestå også inn i framtiden. Derfor mener jeg at det åpenbart er Statnett som bør eie og drive utenlandsforbindelser fra Norge. Det er også sånn at disse utenlandsforbindelsene genererer overskudd – genererer verdier. Gjennom at det er Statnett som eier dem, vil disse pengene gå til å presse ned nettleien for brukere for øvrig. Det vil man ikke kunne gjøre hvis man organiserer eierskapet på annet vis. Vedtektene slår fast at det er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer som skal gjennomføres. Dette gjelder både for nett i Vi har presisert ved flere anledninger, sist i nettmeldingen, at utenlandsforbindelser inngår i sentralnettet. Det blir åpnet for replikkordskifte.

år. Med den foreslåtte økningen av tariffen fra Statnett, vil ekstrakostnadene for Alcoa Lista kunne være opp i 30 mill. kr per år. Når man vet at overskuddene ikke er veldig store, er dette en alvorlig økning. På seks år er det jo ca. 16 pst. per år. Jeg lurer på om statsråden kan si noe

og at vi nå går inn i en periode med historisk høye investeringer i sentralnettet, og langt bedre nett og forsterkninger både internt i landet og mot utlandet. Selvsagt kommer dette til å koste mye penger, og det er ingen andre til å ta disse kostnadene enn brukerne av nettet. Allerede i dag er det en prisstruktur som gjør at industrien Mange av disse investeringene er til stor fordel for industrien, og som sagt mener jeg at man må se hele bildet under ett. Faktum er at for industrien kommer strømregningen til å gå ned i årene som kommer – ikke opp. Vi har også sett en veldig gledelig utvikling de siste årene, ved at det er mange langsiktige kraftkontrakter som er inngått. Det er gode rammevilkår for kraftkrevende industri i

Det er klart at for dem som sitter og skal investere, er det en krevende øvelse å regne hjem disse investeringene. Når en da frykter for innelåst kraft, hvis vi ikke får opp takten og tempoet på kraftutvekslingen med utlandet, har vi en utfordring når det gjelder å sikre investeringene. Mitt spørsmål til statsråden er: Tror statsråden at vi kommer i mål på å få i hvert fall 13,2 tWh ny fornybar produksjon her hjemme innen 2020, uten at en øker ambisjonsnivået på kraftutveksling med et større marked i Europa? Vi har jo et velfungerende nordisk elmarked. Dynamikken i sertifikatmarkedet er sånn at det er summen av sertifikatpris og strømpris som til sammen skal skape lønnsomme og gode prosjekter. Da er det selvsagt sånn at er alt annet likt, så vil sertifikatprisen gå opp hvis strømprisen går ned, hvis det er nødvendig for å utløse tilstrekkelig med ny produksjonskapasitet. Det betyr at innenfor de etterspørselskurvene som vi har vedtatt, vil det til enhver tid utløse og skape lønnsomhet for de beste prosjektene i Norge og i Sverige, for den strømmen som vi betaler for. Jeg forventer ikke at noen skal gjennomføre ikke-lønnsomme prosjekter, men jeg er helt trygg på at dette markedet kommer til å fungere, og kommer til å levere den strømmen som vi betaler for. Så er det interessant å merke seg at forrige replikant var veldig opptatt av at industrien hadde altfor høye strømregninger, og nå er altså neste replikant veldig bekymret for at strømprisene er altfor lave til at vi får den nødvendige utbyggingen. Med respekt å melde – det går ikke.

kraftprodusentene. Da er det avgjørende at Statnett har tillit når det gjelder at de klarer å levere i henhold til budsjett og tid, og også at det er de rette prosjektene som prioriteres. Derfor synes jeg det er underlig at regjeringen legger opp til et system som gir mindre innsyn, ikke mer innsyn. Jeg har problemer med å se at modellen med dette markeds- og driftsforumet skal gi mer innsyn enn det brukerrådet ga tidligere, så hvis statsråden kan forklare meg hvordan dette nye systemet oppmuntrer til mer innsyn, er jeg takknemlig for det. Jeg tror alle deler, om vi ikke skal kalle det bekymringen, så i hvert fall ønsket og forutsetningen om at de midlene og ressursene som vi nå bruker på å oppgradere nettet, blir brukt så effektivt og på en så god måte som overhodet mulig. Statnett er av at vi alle sammen er trygge på at ressursene brukes forsvarlig og godt. Det er noe som vi har vært opptatt av i vår løpende kontakt med foretaket, foretaket selv er opptatt av det, og vi har også innført endringer i behandlingsmåten som gjør at man skal få en ekstern kvalitetskontroll av bl.a. samfunnsøkonomien i prosjektet. Det er mange ulike brukerinteresser. Jeg er helt trygg på at man ikke sikrer innsyn gjennom at kraftprodusentene har en egen styrerepresentant i Statnetts styre. Jeg tror at det er nødt til å avveies mellom de ulike hensynene man har når det gjelder de ulike sakene. Hvis man skal bygge en kraftledning, er det uhyre viktig å ha god representasjon og god dialog med lokale og regionale krefter. Jeg er helt trygg på at vi nå får … Som det blei sagt her, er

endå. I den samanhengen er Framstegspartiet opptatt av den private forbrukaren, som i veldig mange samanhengar må ta rekninga, for, som det blir sagt her: Kraftkrevjande industri Vi ser det òg med omsyn til dei store utbyggingane. Ormen Lange i Møre og Romsdal gjorde at ein fekk behov for ei betydeleg utbygging, men anleggsbidrag og den typen bidrag for å samle dette var ikkje aktuelt. Vurderer statsråden anleggsbidrag frå petroleumssektoren for utbyggingar som ein i dag ikkje ser? Det er jo veldig klare regler for dette. Knytter man seg til masket nett, er kostnadene ved det fordelt på alle. Trenger man en produksjons- eller forbruksradial, finnes det egne regler for det. Som flere har vært inne på, har Statnett store investeringsplaner, på 50–70 mrd. kr den neste tiårsperioden, og det er klart at dette skal finansieres. Selskapet vil være avhengig av å gå ut og hente kapital i markedet. Nå har vi en situasjon når det gjelder gassfelt på sokkelen, hvor et høringsutkast har skapt en del usikkerhet blant investorene med tanke på om en må legge inn en ekstra buffer for politisk uforutsigbarhet når det gjelder tariffering. Mitt spørsmål til statsråden er om han tror at vi nå kan risikere at vi får problemer med å finansiere infrastruktur i Norge som følge av at statsråden selv bidrar til å skape politisk usikkerhet rundt forutsigbarheten for framtidige inntekter på infrastrukturprosjekter i Jeg vil ta skarp avstand fra den virkelighetsforståelsen som representanten Meling her tegner – og bidrar til å prøve å tegne. Som regulator har vi både en plikt til og et ansvar for å følge opp det som alltid har vært norsk olje- og gasspolitikk. Det er først og fremst god ressursforvaltning, og det er å sørge for at man tar ut verdiskapingen, ekstrainntektene, grunnrenten på ressursene, ikke på infrastrukturen. Hvis det er slik at Høyre ønsker at man skal ta ut merinntekter av grunnrente på infrastrukturen, og at man vil prioritere utenlandske pensjonsfond framfor det som er norsk grunnrenteavkastning, får man heller si det rett ut. Nå er dette ute på høring. Vi skal gjennomgå høringssvarene på skikkelig vis, men det er få andre land som har en så forutsigbar og en så grundig myndighetsbehandling som den norske myndigheter representerer – og har hatt. Det er en tradisjon som jeg selvsagt skal sørge for fortsetter.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

om regional- og lokalnettet for framføring av strøm og de utfordringer og oppgaver nettselskapene står overfor de kommende årene, med forslag til tiltak som kan gi en effektiv og framtidsrettet nettstruktur i Norge, med færre og mer robuste nettselskaper enn i dag. En samlet komité deler selvfølgelig at et robust strømnett med tilstrekkelig kapasitet for framføring av elektrisk kraft i hele landet er nødvendig for en sikker strømforsyning i hele landet. Vi har alle blitt stadig mer avhengig av et velfungerende kraftsystem, og nesten alle viktige samfunnsoppgaver og -funksjoner er kritisk avhengig av at tilgangen på strøm fungerer optimalt. Dette ble vi som bor i Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten minnet om for et par uker siden, da strømmen falt ut i et halvt døgn på grunn av en kortslutning og en påfølgende brann i en transformator. I så måte kan vi si at hele samfunnet gjennom denne utviklingen har blitt stadig mer sårbart. Nettvirksomheten i Norge må derfor drives rasjonelt og effektivt, og det er nettselskapene som er ansvarlige for at nettet skal være driftssikkert, ha høy leveringskvalitet og være i stand til å møte etterspørselen etter overføringskapasitet. Det er ingen tvil om at kravene til selskapene fortsatt vil øke betydelig i tiden som kommer. Mange mener at den omfattende sammenslåingen av nettselskaper både på det de leverer, og redusere og utjevne nettleien. Jeg går ut fra at forslagsstillerne redegjør for sine merknader og forslag, som ligger i innstillingen. Regjeringspartiene vil imidlertid vise til at statsråden i lang tid har oppfordret nettselskapene og deres eiere til å vurdere om dagens nettstruktur er hensiktsmessig. Dette er en sak som det er viktig å arbeide videre med, hensiktsmessig. Dette er en sak som det er viktig å arbeide videre med, og det kan neppe gjøres på annen måte enn det statsråden hittil har gjort: i dialog med selskapene og deres eiere. Det er også grunn til å være tilfreds med at departementet skal se nærmere på hele nettstrukturen i Norge. Alle forstår at dette er et meget omfattende arbeid, og at det er vanskelig å ta stilling til den videre prosessen i denne Det må derfor kunne betegnes som urealistisk at man skal kunne legge fram en melding om dette i løpet av de tre månedene som er igjen av

Forbrukerne kan ikke skifte nettleverandør, slik som de kan med strømleverandør. Derfor må nettvirksomheten overvåkes, slik at den drives optimalt både økonomisk og sikkerhetsmessig. Fremskrittspartiet viser til viktigheten av å sette kunden i sentrum. Norge står overfor store oppgaver med oppgradering og utbygging av overføringsnett i de neste tiår.

investeringer skal belastes forbrukerne og ikke minst den kraftforedlende industrien rundt om i landet. Norge er et stort land geografisk, men med lav folketetthet utenfor de store byene og tettstedene. Det medfører store kostnader for å bygge og drifte et sikkert strømnett på alle tre områder. De investeringene som det tidligere var referert til, skal alle dekkes av forbrukerne og industrien, særlig den kraftforedlende. Monopolvirksomheten, som strømnettet omfattes av i Norge, må undergå den strengeste kontroll. Effektivisering, planlegging og kontrollert utbygging må være grunnpilarene i ethvert prosjekt for nettutbygging og rehabilitering. Stram kontroll må råde, men i mange tilfeller er det motstridende til den utbyttepolitikken som forventes fra eierne, som i det alt vesentlige er stat og kommune. Fra flere nett og kraftprodusenter meldes det om at selskapene må låne for å kunne betale forventet utbytte til eierne. Fremskrittspartiet er bekymret for denne utviklingen, da sluttregningen for nettkostnadene veltes over til forbrukerne og industrien. Det finnes i dag ca. 150 nettselskaper – de minste med bare er par tusen abonnenter. Fremskrittspartiet mener at det er nødvendig med en sterk reduksjon av antall nettselskaper for å styrke driften og redusere enhetskostnadene. Pareto har vist at enhetskostnadene er størst for de minste selskapene. Fremskrittspartiet, sammen med Høyre, foreslår at Stortinget ber regjeringen i løpet av vårsesjonen 2013 fremme en sak om regional- og lokalnett for fremføring av strøm. Denne saken må munne ut i forslag som kan gi en effektiv og fremtidsrettet nettstruktur i Norge, med færre og mer robuste nettselskaper enn i dag. Det som er virkeligheten, er at vi fremsatte dette representantforslaget i slutten av oktober 2012. Så hvis man hadde ønsket det fra regjeringens side, hadde de nok greid å få fram et dokument som vi etterspør. Til slutt tar jeg opp fellesforslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre. Representanten Henning Skumsvoll har tatt opp det forslaget han refererte til.

til. Som vi også debatterte i forrige sak, må vi påregne store investeringer i strømnettet fremover. Det gjelder både i sentralnettet og i de underliggende nett. En samlet investeringsramme på mellom 90 og 125 mrd. kr i den neste tiårsperioden er sannsynlig basert på Statnetts siste nettutviklingsplan og estimater som er kommet fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringene anses å være nødvendige. Et moderne samfunn er avhengig av strømtilførsel og forsyningssikkerhet for de fleste funksjoner. Vi trenger mer og et sterkere nett for å kunne fase inn nye mengder energi – i tråd med både elsertifikatavtalen med Sverige og Norges fornybarmål som del av EUs fornybardirektiv. Videre anses investeringene å være nødvendige ut fra fremtidens forventninger om et varmere, villere og våtere klima, som vil kreve en Nettvirksomheten er et monopol, og det innebærer at vi, dvs. både politikere, offentlige myndigheter, kraft- og nettselskaper, har et ekstra stort ansvar i å ivareta kundenes interesser. Store investeringer i regional- og distribusjonsnettet fremover vil bety økte nettariffer for kundene, både private husholdninger, industri og annen næringsvirksomhet. Høyre er opptatt av at kundene skal få et kvalitetsmessig godt produkt til en mest mulig kostnadseffektiv pris. Samfunnet bruker elektrisitet på stadig nye områder, men vi bruker den også mer effektivt, bl.a. hos husholdningene. Nye byggtekniske krav og ulik teknologiutvikling gjør også at strømforbruket hos husholdningene sannsynligvis vil gå ned. Da vil også nettariffen fremstå som dyrere enn selve strømforbruket, og en del kunder opplever dette allerede i dag

og for å sikre en god kvalitet på infrastruktur og tjenester knyttet opp til strømnettet. Det faktum at det ikke har skjedd spesielt store endringer innenfor nettstrukturen det siste tiåret, i kombinasjon med de store investeringene vi står foran, er bakgrunnen for at Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Venstre, har fremmet representantforslaget som ber regjeringen fremme tiltak som kan gi oss en mer effektiv og fremtidsrettet regional og lokal nettstruktur.

NVE har varslet ytterligere endringer, og det anser jeg for å være nødvendig. Og det haster. Investeringsbehovet fremover vil kreve mye ressurser, når det gjelder både kompetanse og kapital. Videre skjer det en del endringer i hvor verdiene hentes ut langs verdikjeden mellom kraftprodusenter via nettleverandører til Analyser som ble presentert på Energi Norges vinterkonferanse sist uke, bl.a. av konsulentselskapet McKinsey, viser hvordan en stadig større andel av verdiene knyttet til kraftproduksjon tas ut nærmere sluttkunden. Det er nedgang i lønnsomheten oppstrøm, og en oppgang i lønnsomheten nedstrøm og tradisjonell nettdrift. Hvordan skal kraftselskapene håndtere det presset de får Dette er både en utfordring og en mulighet for eierne av kraftproduksjon i Norge, dvs. i all hovedsak offentlige eiere som kommuner, fylkeskommuner og stat. For å kunne ta del i denne verdikjeden er det viktig at nettselskapene er i stand til å tilby gode teknologiplattformer og produkter og tjenester mot sluttkunden – og dette krever både trendforståelse, kompetanse, kapital, gjennomføringsevne og ikke minst en lyst til å satse. Hvis nett- og kraftselskapene ikke benytter seg av dette mulighetsbildet, så er det en relativt stor sannsynlighet for at andre aktører vil ta en stadig større andel av verdiskapingen og lønnsomheten i næringen. Det har vært mye usikkerhet knyttet til utrulling av AMS og kravet til når dette skal være gjennomført. Jeg synes det er bra at statsråden har valgt å utsette tidsfristen med et par år. Det er viktig at vi får på plass teknologi og løsninger som er gode og fremtidsrettede. Vi er fra Høyres side også fornøyd med at statsråden har valgt å avslutte planene og arbeidet for en felles tariffering for sentral- og

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti mener at framtida ligger i sammenslåinger, og jeg deler langt på vei det synspunktet. Jeg deler forslagsstillernes forventning om at vi må ha et robust strømnett, vi skal ha effektive og økonomisk godt drevne selskaper, og sammenslåinger kan bidra til det. Samtidig er det store forskjeller mellom nettselskapene i Norge både med tanke på størrelse, med tanke på nettleie

og sammenslåing fort føre til dårligere beredskap. Av den grunn har mange lokalsamfunn en sterk tilknytning til sine nettselskap. Etter SVs mening er det riktig å stille strenge krav til nettselskapene med hensyn til ansvar for forbrukernes sikkerhet, for levering av strøm under alle forhold. Det må stilles strenge krav om både med hensyn til drift og beredskap og om investeringsevne. Og så får i hovedsak organiseringa bli styrt nedenfra av eierne av nettselskapene. Senterpartiet tar hele Norge i bruk. For Senterpartiet er nettselskapene. Senterpartiet tar hele Norge i bruk. For Senterpartiet er det derfor helt sentralt å ha et robust strømnett i hele landet. Folk er helt avhengig av en sikker strømforsyning, uansett hvor i landet de bor. Vi trenger strøm til alt fra lys og varme i husene til sykehusdrift, næringsvirksomhet og, for den saks skyld, lading av elbiler. Vi må ha et kraftsystem som er velfungerende. Etter mange år med for lite investeringer og fornyelse i nettet, både i sentralnettet og det underliggende nettet, har dagens regjering sørget for at vi nå er på vei inn i en periode med historisk høye investeringer. Slike store nettinvesteringer er nødvendig for å sikre forsyningssikkerheten og å gjøre det mulig å koble på den fornybare energiproduksjonen som skal inn i nettet innen 2020, i tillegg til å legge til rette for nye industrietableringer og reinvesteringer. Nettselskapene står også overfor store oppgaver som krever kompetanse, bl.a. ved innføringen av AMS, som flere har nevnt. Nettselskapene må også være i stand til å ta på seg de nye oppgavene samtidig som overføringskapasiteten Senterpartiet er derfor glad for at Olje- og energidepartementet skal se nærmere på nettstrukturen i Norge. Jeg er glad for at et samlet storting er enig i at Norge trenger et robust strømnett med tilstrekkelig kapasitet for framføring av elektrisk kraft i hele landet. Dette er nødvendig for en sikker strømforsyning. I det moderne samfunnet vi har, er så godt som alle viktige samfunnsoppgaver og -funksjoner avhengig av et velfungerende kraftsystem. Kristelig Folkeparti er opptatt av at nettvirksomheten i Norge skal drives rasjonelt og effektivt. Nettselskapene er ansvarlig for at nettet skal være driftssikkert, ha høy leveringskvalitet og være i stand til å møte etterspørselen etter Kravene til nettselskapene vil øke i tiden som kommer, og det skal foretas enorme investeringer. Vi vet at det kommer mer uregulerbar kraft inn i nettet, og vi vet at det kommer nye EU-krav, og at det skal innføres automatisk måleravlesing, AMS. Norge står overfor store oppgaver når det gjelder oppgradering og utbygging av overføringsnettet for strøm i årene framover. Statnett har i sin investeringsplan for 2012 anslått investeringsbehovet i sentralnettet til i størrelsesorden 50 mrd. kr–70 mrd. kr i de neste ti årene. Dette vil sannsynligvis utløse et omtrent like stort investeringsbehov i regional- og distribusjonsnettet. Norges vassdrags- og energidirektorat har estimert et investeringsbehov på 40 mrd. kr–55 mrd. kr i regional- og distribusjonsnettet de neste ti årene. I tillegg kommer investeringer i automatiske måleravlesningssystemer på

De enorme investeringene som skal gjøres i strømnettet de kommende årene, vil innebære at kundene må forvente økte nettavgifter. Monopolvirksomheten som nettselskapene utgjør, har et ekstra stort ansvar for å påse at både utbygging, drift og vedlikehold skjer på en så kostnadseffektiv måte som mulig. I dag er det store kostnadsvariasjoner mellom nettselskapene. Årlig settes det av 120 mill. kr på statsbudsjettet til utjevning av nettleie. Fra flere hold er det kommet signaler om at sammenslåing av nettselskapene kunne vært et bidrag for å redusere og utjevne nettleien. Det er grunn til å tro at dagens struktur med så mange nettselskaper er lite optimal for å kunne møte de store oppgavene disse selskapene står overfor. Mange selskaper har utfordringer både med hensyn til kompetanse og kapital, noe som selvsagt påvirker muligheten til å løse oppgaven de er satt til å løse. Kristelig Folkeparti mener det er behov for en mer effektiv selskapsstruktur, som gjør at nettleien til kundene kan holdes så lav som mulig. Det registrerer jeg at hele komiteen er enig i. Kristelig Folkeparti deler imidlertid regjeringspartienes syn om at det er lite realistisk å kunne legge fram en melding om dette i løpet av vårsesjonen 2013. Mye er sagt allerede, så jeg skal være veldig kort. Nye oppgaver, klimaendringer og høyere kvalitetskrav gjør at Venstre mener vi er nødt til å se på om dagens nettstruktur er optimal, som flere har vært inne på. Bare innføringen av automatiske strømmålere og kostnader og kompetanse for å få på plass disse, gjør at bransjen er nødt til å tenke nytt. I merknadene kan vi lese at komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er kjent med at statsråden i lang tid har oppfordret nettselskapene og deres eiere til å vurdere om dagens selskapsstruktur er hensiktsmessig. Venstre mener at å oppfordre ikke lenger er tilstrekkelig, og mener vi også må se på forskjellige økonomiske virkemidler for å få dette på plass. Utover dette slutter jeg meg i hovedsak til de andre forslagsstillerne, og støtter mindretallets forslag. Først og fremst gleder det meg at det er

De skal sikres nettilgang og tilgang til en sikker og pålitelig strømforsyning til en akseptabel pris. Det krever at nettet på alle nivåer drives og utvikles på en effektiv måte, og at nettselskapene er i stand til å foreta de rette investeringene til rett tid. Det er et betydelig investeringsbehov for alle nettnivå, og satsingen på fornybar kraftproduksjon vil gi økte investeringsbehov i årene framover. I tillegg får nettselskapene stadig nye og mer krevende oppgaver, som krever særskilt kompetanse, bl.a. AMS, «smart grid» og felles nordisk sluttbrukermarked. Dette understreker behovet for en robust nettstruktur. En framtidsrettet organisering av nettet i Norge må gi en sikker og effektiv framføring av strøm med selskaper som har styrke nok til å gjennomføre moderniseringer og utvidelser av overføringskapasiteten. Jeg vil også legge til at det ikke vil skade om nettorganiseringen ble enklere og dermed mer oversiktlig. Å få til endringene bør være en overkommelig oppgave, selv om den kan bli krevende for noen, men jeg minner om at det å tenke nytt også åpner for nye muligheter. Jeg skal bidra til en utvikling mot et bedre organisert nett, men bransjen selv har et vesentlig ansvar for å ha en tjenlig nettstruktur. Å sikre et godt fungerende kraftsystem også i framtiden er en av de viktigste forutsetningene for et fortsatt velfungerende og sikkert samfunn. Jeg er opptatt av at vi skal ha en effektiv, robust og framtidsrettet nettstruktur i Norge. Departementet vil nå arbeide videre med hvordan vi kan legge til rette for en mer helhetlig nettorganisering. Jeg anser det imidlertid som prematurt å fremme en sak om underliggende nett i løpet av vårsesjonen 2013.

færre selskap. Det er mange fordeler knyttet til en noe mer oversiktlig nettstruktur og endog færre selskap. Det skjer jo også stadig endringer i bransjen, det skal også understrekes, og jeg er ganske trygg på at den utviklingen vil fortsette videre. I departementet kommer vi til å se nærmere på hvordan vi kan bidra til det. Blant annet innførte vi nå en ordning som gjør at man får beholde gevinsten knyttet til en sammenslåing lenger enn det som var tilfelle tidligere. Det er imidlertid viktig å understreke to ting. Det er selskapene selv og eierne av selskapene som er nødt til å sitte i førersetet ved eventuelle Det er ikke min jobb som statsråd, men å legge til rette for det – ja – og å oppfordre til det – ja. Dernest er det viktig å si at det også finnes mange små nettselskap som driver godt. Vi må også i framtiden ha rom for at man på ulike plasser i landet kan få løse denne oppgaven forskjellig vis. En ting er

det grepet som ble gjort for et par år siden, med å doble tilskuddet til nettutjevning. Så mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan kan statsråden si at han ønsker og oppfordrer til en endring, samtidig som han bevilger penger på en måte som bidrar til å sementere dagens struktur? Hvor er logikken i det statsråden gjør, i forhold til det han

ikke av nettselskap. Så dette er en kritikk som jeg rett og slett ikke kjenner meg igjen i. Det er for øvrig en ordning som har eksistert i mange, mange år. Bare som en oppfølging til det statsråden sa, har vi ikke vært uenig i overføringene, men det å doble beløpet mener vi bidrar til å sementere en struktur. Men jeg går til mitt neste spørsmål til statsråden. Jeg er selvfølgelig glad for at det nå synes å herske enighet om at vi må få til en strukturendring i retning av færre og større selskaper. Men det mente vi også da vi behandlet nettmeldingen Vi bygger Norge for en tid tilbake. Den gangen ønsket ikke statsråden og regjeringen å se på de underliggende nett i det hele tatt. Hva er det da som har gjort Etter halvannet år er det plutselig viktig å få til en strukturendring i retning av færre og større selskaper, mens man tidligere ikke ville diskutere spørsmålet overhodet. Jeg tror jeg har vært rimelig entydig i denne kommunikasjonen hele veien. Det er mange fordeler med å organisere nettet annerledes inn i en ny tid. Det er nye kompetansekrav, det er nye oppgaver som skal løses, det er store investeringer som skal tas. Norge, og i ulike deler av landet har man organisert dette på svært forskjellig vis. Det tror jeg også kommer til å være fasit i framtiden. Så man må uansett ha et system som legger til rette for at man kan løse disse oppgavene på mest mulig hensiktsmessig vis, men på forskjellig måte fra landsdel til landsdel alt tilpasset lokale og regionale forhold. Men jeg har vært rimelig tydelig på at det er formålstjenlig at selskapene selv nå ser på endringen av strukturen, jeg har oppfordret til det og også lagt til rette for det – bl.a. gjennom den siste endringen. Jeg vil igjen tilbake til de store investeringene som Statnett skal gjøre de neste

Det mener jeg var svært framtidsrettet den gangen. Jeg mener at historien har vist at det var et helt riktig grep, og jeg mener at slik må det også være i framtiden. Vi kan ikke ha et system der bukken skal passe havresekken, og det å skille produksjon og transport er åpenbart et godt og framtidsrettet grep. Det å slippe produsentene inn i sentralnettet igjen mener jeg derfor er en dårlig Jeg mener videre at Statnett som systemoperatør er den som åpenbart har de beste forutsetningene til å løse denne oppgaven på en formålstjenlig, god måte – sy det sammen med kraftnettet vårt for øvrig. Det siste gode og viktige poenget er at det overskuddet disse linjene produserer, vil gå til å redusere nettleien for oss alle sammen – industri, privatforbrukere og det offentlige. Det er jo også et viktig hensyn – i alle fall hvis de bekymringene som representanten bar til bords i forrige innlegg, er riktige. Det er

ligger dette direktivet? Når kan vi forvente å få noe til behandling her i Stortinget? Jeg tror det er rom for å si – i alle fall som en historisk betraktning – at det er norsk energipolitikk som har fått stor betydning for europeisk energipolitikk, rett og slett fordi vi systematisk ligger foran, er tidlig ute og godt skodd for å møte Så den verdisiden går nok andre veien oftere enn representanten Meling her ga uttrykk for. Ellers er behandlingen av direktivet på vei, men her og nå er jeg ikke i stand til å si noe om når det kommer til behandling i Stortinget. Replikkordskiftet er omme.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

og deretter

Det overraskende den gangen, kanskje – ikke alle i Bergen vil være enig med meg i dette – var at Universitetet i Bergen var rangert øverst på 135. plass. På de fleste rangeringer ellers har Universitetet i Oslo hatt den høyeste norske plasseringen. Uansett er det viktigste poenget at det beste norske universitetet var rangert som nr. 6 i Norden, altså for to år siden. Min egen refleksjon omkring dette var at det var vanskelig å vite om dette var et resultat vi burde være fornøyd eller misfornøyd med. Det avhenger jo av hvilken ambisjon vi har for våre beste universiteter. Og noen slik nasjonal ambisjon er ikke nedfelt noe sted. Derfor spurte jeg daværende statsråd Tora Aasland om det kunne være en idé å ta denne diskusjonen, og om regjeringen ville gjøre en analyse av de norske universitetenes internasjonale konkurransesituasjon, og deretter vurdere hvilket ambisjonsnivå Norge bør ha for sine universiteter. Kunne det f. eks. være en idé å ha som ambisjon at det beste norske universitetet på sikt også kunne bli det beste i Norden? Jeg fikk et hyggelig svar fra statsråden, men i kortform var svaret nei. Slike vurderinger fikk sektoren gjøre selv. Det var derfor med stor interesse jeg hørte nåværende statsråds tale til Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse i november i fjor. Der uttrykte hun en viss utilfredshet med at danske og svenske universiteter ble bedre rangert enn de beste norske på internasjonale målinger, og at det kanskje var på tide å heve det norske ambisjonsnivået for sektoren. Disse uttalelsene er direkte årsak til at jeg forsøker en interpellasjon om dette temaet igjen i dag. I mellomtiden har vi fått den nye forskningsmeldingen. Her har regjeringen faktisk kommet på den gode ideen å «rette søkelyset mot den faglige utviklingen ved noen av våre mest forskningsintensive universiteter og sammenligne dem systematisk med de beste universitetene i Norden». Dette er veldig bra. bra. Jeg skal absolutt ikke insinuere at noen i departementet har stjålet ideen fra meg, eller at de har lyttet til Høyres leder Erna Solberg, som i sin tale til Høyres landsmøte i fjor sa at Høyres ambisjon var at det beste norske universitetet burde bli det beste nordiske universitet innen 2030. For regjeringen vil riktignok analysere, men den passer seg vel for å flagge noen ambisjon, utover at universiteter kan være ledende internasjonalt, og det kan man jo godt si om våre fremste universiteter i dag, litt avhengig av hvordan man teller. Men jeg vil understreke at jeg og Høyre fullt ut deler regjeringens utsagn om at det må være viktig at universitetene foretar faglige og tematiske prioriteringer, altså spiss fremfor bredde i noen sammenhenger.

42. Dessverre for Norge: Våre universiteter har falt ganske dramatisk på den siste rangeringen. Både Universitetet i Bergen og Oslo er ute av topp 200. Universitetet i Oslo ligger på en plass mellom 201 og 225. Universitetet i Bergen har falt ca. 100 plasser fra sist og får en plassering mellom 226. og 250. plass. Det beste norske universitetet er nå på 9. plass i Norden, og avstanden til de fremste er større enn før. Her finner vi bl.a. universitetene i Lund, Uppsala og Helsinki på plassene bak Karolinska. Jeg er klar over at denne typen rangeringer kan problematiseres, at de neppe forteller hele sannheten, og at de kanskje i enkelttilfeller kan gi et direkte galt inntrykk. Men når det skjer store endringer på kort tid, som f. eks. i tilfellet med Universitetet i Bergen, kan det være grunn til å spørre hvorfor. Det er sikkert fornuftig å ikke overfortolke resultater i enkeltstående undersøkelser og rangeringer. Men jeg vil avvise fullstendig at rangeringene som finnes, og da særlig Times Higher Education, ikke skulle ha noen som helst verdi eller relevans. Det finnes noen i akademia i Norge som hevder dette, og det mener jeg er en helt uinteressant debatt. Når rangeringer bygger på en rekke objektive kriterier, i dette tilfelle for Times Higher Education 13 kriterier, og de viser konsistente resultater over tid,

EUs utdanningskommisær har for øvrig tatt initiativ til en ny og sannsynligvis mer omfattende europeisk rangering av universiteter, kalt U-Multirank, som skal gi universitetsmiljøer mulighet til å «benchmarke» seg mot tilsvarende i andre land og ved andre institusjoner. Dette kan bli et interessant verktøy i arbeidet med å løfte frem forskningsmiljøer i verdensklasse, slik både forskningsmeldingen åpner for, og som Høyre er opptatt av. Men la meg for sikkerhets skyld understreke: Det er naturligvis ikke plasseringen eller rangeringen i seg selv jeg er opptatt av, men det den sier om en institusjons kvalitet og attraktivitet internasjonalt. Så kommer naturligvis verdien av den profilering en gitt rangering vil kunne ha for vedkommende universitet og land. Like det eller ikke: Vi deltar i et internasjonalt kunnskapskappløp som kanskje har større betydning for fremtiden enn det rustningskappløpet vi så under den kalde krigen. La meg derfor vende tilbake til mitt utgangspunkt for to år siden: Hvilket ambisjonsnivå skal vi ha for våre fremste universiteter? Hva vil det kreve f.eks. for et norsk universitet å bli rangert som det beste i Norden? Er det i det hele tatt mulig? Er vi som land villig til å bidra med de ressurser og tiltak som er nødvendige? Vil regjeringen gjøre en strategisk vurdering av disse spørsmålene?

Dette resulterer i at forskningstunge institusjoner favoriseres på bekostning av dem som tar et stort ansvar for utdanning, og at plasseringene kan variere mye fra et år til et annet, som interpellanten også var inne på. Universitetene og høyskolene i Norge har et bredt mandat som hviler på tre pilarer: forskning, utdanning og formidling. Institusjonene må først og fremst måles opp mot hvordan de ivaretar sine brede og samfunnsbyggende oppgaver gjennom høy kvalitet innenfor alle disse tre områdene. De skal sørge for at Norge bidrar til den globale kunnskapsallmenningen, og de skal gjennom å være en attraktiv internasjonal samarbeidspartner hente hjem kunnskap frambrakt i andre land. De skal bidra til økt forståelse av naturen og av oss selv som mennesker og som samfunn. Institusjonene er viktige for næringsutvikling og for kvaliteten på offentlige tjenester. Ikke minst skal institusjonene utdanne kandidater som kan sørge for nødvendig fornyelse i årtier framover. Utdanningene må være basert både på forskning og på utviklingsarbeid og samtidig være relevante for det arbeidet kandidatene skal ut i. Vi må likevel erkjenne at rangeringene indikerer kvalitet. Rangeringene har ofte til felles at de bygger på indikatorer som forskningsverdenen anerkjenner som tegn på kvalitet. Andre typer evalueringer og målinger, som fagevalueringer, publiserings- og siteringsanalyser og gjennomslag i det Europeiske forskningsrådet, viser det samme. Framgangen for norsk forskning er god, men det er mer å gå på. Hva kan vi så forvente av de norske universitetene når det gjelder internasjonal synlighet, gjennomslag og kvalitet? Jeg er glad for denne invitasjonen fra representanten Warloe til å debattere kvalitet ved norske universiteter. Warloe etterspør strategiske vurderinger av hvilket ambisjonsnivå vi bør ha for universitetene. Som Warloe sikkert har registrert, er dette et tema regjeringen drøfter i den nylig framlagte forskningsmeldingen. Det er åpenbart at Norge, som er på størrelse med en liten amerikansk delstat, ikke kan dominere de internasjonale universitetsrangeringene. Det er like åpenbart at vi som et rikt land har forutsetninger for å markere oss på linje med våre nordiske naboland. Det norske bidraget til verdens samlede forskningsinnsats er på under én prosent, og en og en befolkning på fem millioner mennesker har sine begrensinger. Men betyr det at vi skal overlate den ressurskrevende og banebrytende forskningen til større aktører? Jeg mener nei. For det første er vi allerede blant de aller beste på noen områder. For eksempel er vi en av verdens fremste sjømatnasjoner. Her er det vi som har stått for en stor del av gjennombruddene. Fordi vi er et land med begrensede ressurser, må vi spisse vår innsats og konsentrere oss om å hevde oss internasjonalt på områder der vi har ekstra gode forutsetninger. Å bli skikkelig gode på noen områder krever stabile rammer og god sammenheng mellom investeringer i bygg, studenter og forskere. Vi starter derfor opp med å lage en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som har et tiårsperspektiv, og som blir et viktig virkemiddel gjelder hvordan man skal prioritere for å få tydeligere ambisjonsnivå på ulike områder. Det er et veldig viktig grep i den forskningsmeldingen som er lagt fram. De store universitetene uttrykker ambisjoner om å styrke seg internasjonalt. Spørsmålet er om man er sultne nok i vårt oljesmurte samfunn til å virkeliggjøre de ambisjonene. I mange andre land er I mange andre land er det store endringer i forskningssystemene. I Europa konsentreres forskningsressursene. Nye og framvoksende forskningsnasjoner i Asia og Latin-Amerika satser tungt og vil helt sikkert sette stadig større preg på den globale kunnskapsallmenningen. Ikke minst derfor må Norge føre en politikk som understøtter de største universitetenes internasjonale ambisjoner. Det er ikke nok å løpe raskere selv, hvis alle de andre også løper raskere. Det vil gagne Norge som samfunn å ha ett eller flere universiteter som lykkes bedre internasjonalt. Kunnskapsdepartementet vil derfor rette søkelyset mot den faglige utviklingen ved noen av våre mest forskningsintensive universiteter og sammenlikne dem med de beste universitetene i Norden. Målet er å utvikle kunnskap som kan støtte institusjonene, Forskningsrådet og departementet i arbeidet med å forbedre forsknings- og utdanningskvaliteten. Universitets- og høyskolepolitikken er i kontinuerlig utvikling. Sett i et lengre tidsperspektiv har det skjedd store endringer i sektoren, også i retning av å satse sterkere på kvalitet. Jeg mener at enda mer profilering og spissing av institusjonene må til for å få til et kvalitetsløft i sektoren. Økt profilering innebærer å velge faglig tyngdepunkt og ambisjonsnivå tilpasset hver enkelt institusjon. Warloe etterspør tiltak for å løfte våre beste universiteter. Slike tiltak skal vi ha, men jeg er også opptatt av tiltak som kan løfte alle institusjonene, hver ut fra sine forutsetninger. Jeg vil særlig framheve tre tiltak: Det første er den nye målstrukturen fra Det er ett viktig tiltak for å stimulere til økt profilering og differensiering. Målstrukturen legger opp til mindre detaljstyring fra departementet og gir institusjonene handlingsrom og ansvar for å sette mål som er i tråd med deres egenart og ambisjoner. Det skal gi større rom for spesialisering innenfor felt hvor institusjonene har særlige forutsetninger for å lykkes. Institusjonene har stor frihet innenfor de rammene som storting og regjering setter, og må definere sine styrker og sine mål. Norske universiteter og høyskoler har i internasjonal sammenheng også høy bevilgning direkte fra myndighetene. Gitt den friheten som institusjonene har, følger det et tilsvarende stort ansvar til selv å sette sine prioriteringer for å nå de overordnede målene. Et annet viktig tiltak for å øke kvaliteten i UH-sektoren er resultatbasert uttelling på indikatorer innenfor forskning og utdanning. I grove trekk har innretningen av finansieringen for universiteter og høyskoler stått uendret i snart ti år. Systemet er det samme for alle institusjonene og har gitt gode resultater på én måte, men har kanskje også bidratt til å gjøre norske universiteter og høyskoler mer like hverandre. I forskningsmeldingen har vi derfor varslet en helhetlig gjennomgang av finansieringen av universiteter og høyskoler. høyskoler. I den må vi bl.a. vurdere forholdet mellom direkte bevilgninger og ekstern forskningsfinansiering. Det er også behov for å vurdere resultatbaserte bevilgninger opp mot finansiering som i større grad er basert på politiske målsettinger og institusjonenes strategier. Spørsmålet her er jo bl.a. om systemene nå er gode nok med hensyn til å nå lenger når det gjelder kvalitet.

Samtidig må vi videreføre de kvalitetsvirkemidlene i Forskningsrådet som har vist seg å gi resultater. Ett slikt virkemiddel er sentrene for fremragende forskning. Før jul i fjor ble 13 nye forskningsmiljøer utpekt som SFF etter hard konkurranse. Disse sentrene illustrerer at brennpunktet for norsk elitesatsing i forskning ikke er institusjonene, men fagmiljøene. Ved våre universiteter og høyskoler vil det være noen fremragende miljøer, mens andre er mer gjennomsnittlige, og de fremragende trenger ikke nødvendigvis å befinne seg bare ved de største institusjonene. Likevel er brorparten av de nye sentrene lokalisert ved våre store universiteter, de som i utgangspunktet har størst mulighet til å løfte seg internasjonalt. Konsentrasjon av slike miljøer om enkelte institusjoner vil være med på å gjøre disse institusjonene mer synlige internasjonalt. Samtidig har departementet ønsket å framheve også den gode utdanningen. Derfor finansierer vi nå i alt fire sentre for fremragende utdanning. Det skal bli veldig spennende å se hvordan disse sentrene etter hvert fordeler seg mellom institusjonene. Som nevnt innledningsvis må vi ikke glemme at universiteter og høyskoler har andre formål i tillegg til å frambringe internasjonalt Universitetene og høyskolene leverer kandidater innenfor alle utdanningsområder både nasjonalt og til sine regioner. Uten gode profesjonsutøvere, som lærere, sykepleiere og ingeniører, vil offentlig tjenestetilbud og norsk næringsliv lide. Uten dyktige økonomer og samfunnsvitere vil kommunene og det offentlige Norge stanse opp. Vi skal opprettholde kompetansemiljøer i hele landet. Et godt utbygd tilbud av høyere utdanning

Hvis man innvender at rangeringene ikke sier sannheten om de norske universitetene, så sier de kanskje heller ikke sannheten om noen av de andre universitetene. Hvis man f.eks. mener at utdanning ikke vektes nok – så vidt jeg husker fra Times Higher Education, vektes utdanningstilbudet og kvaliteten med 30 pst., samt en rekke andre faktorer naturligvis så vidt jeg husker fra Times Higher Education, vektes utdanningstilbudet og kvaliteten med 30 pst., samt en rekke andre faktorer naturligvis – må man kanskje ha som hypotese at de norske universitetene er så mye bedre på utdanning enn de utenlandske, og ikke får uttelling for det. KUF-komiteen har besøkt en rekke universiteter i andre land – Canada og USA, Sveits for ikke lenge siden, osv., osv. Vi har truffet norske studenter ved disse universitetene, og det inntrykket vi har fått fra dem – jeg snakker naturligvis bare på egne vegne – er ikke akkurat at de er misfornøyd med studietilbudet ved disse universitetene sammenlignet med de norske, snarere tvert imot. Som sagt brukte ikke statsråden mestepartene av sin tid på dette, og det er jeg veldig glad for. Jeg er enig med statsråden i at Norge er et lite land. Vi kan neppe klare å holde tyngde nok i alle våre miljøer, spredt over alle fag og temaer når det i tillegg også skal være et geografisk mangfold. Det er behov for en spissing for å heve kvaliteten i mange sammenhenger. Jeg synes at statsråden stilte et godt spørsmål: Er våre institusjoner sultne nok i vårt oljesmurte land?

Det er kanskje det spørsmålet som først og fremst vi må ta stilling til. Jeg hadde naturligvis ikke ventet at statsråden her og nå nær sagt skulle legge frem eller varsle en igangsetting av et stort arbeid. Men jeg håper statsråden er enig i at det ville være en interessant øvelse ikke bare å se på statistikk og sammenligninger mellom våre institusjoner og de andre i Norden, men også gjøre denne øvelsen: Hva må til dersom et av våre universiteter skulle klatret opp, f.eks. på den et av våre universiteter skulle klatret opp, f.eks. på den plasseringen som Karolinska Institutet har per i dag? Jeg har stor respekt for dem som har lederoppgaver ved våre universiteter og høyskoler, og opplever dem som personer som både har ambisjoner og vet hvor bredt mandat de har, både når det gjelder forskning, utdanning og formidling. Så hvis vi spør – hva skal en si – hvordan sulten og ambisjonene ligger, tror jeg det må være en utfordring som går til alle. Det er klart at vi som har kommet igjennom en internasjonal finanskrise med Europas laveste arbeidsløshet, som har betydelige deler av næringslivet med gode utviklingsmuligheter, og som hevder oss bra, har mindre press og trøkk på oss enn veldig mange andre land har akkurat nå. Derfor må vi stille oss spørsmålet om hva skal en si – hvordan vi skal sørge for at vi hele veien strekker oss lenger. Det gjelder ikke bare innenfor universiteter og høyskoler. Det gjelder samfunnet som helhet, og det gjelder ikke minst politiske myndigheter og de ulike partiene. Jeg synes vel at jeg nyanserte innledningsvis i mitt svar hvordan ulike rangeringer av universiteter har mange svakheter. De måler det de måler, men det er også det vi får svar på. De er en indikator på kvalitet. Det var min oppsummering. Det finnes mange motforestillinger til det. Jeg har ikke lyst til å misforstå representanten Warloe i retning av å overforenkle det som er innholdet i interpellasjonen, nemlig å si at nå skal vi bare sette oss ett mål, og det er at vi skal ha ett universitet som hevder seg høyt på én internasjonal rangering. Det synes jeg ville være å overforenkle det som er problemstillingen her, og å misforstå med vilje. Jeg synes vi skal bruke de internasjonale rangeringene som en pekepinn på kvalitet ved ulike institusjoner i Norge, men aldri som noe som vil gi med én fasit på hvilke universiteter som har god kvalitet. De ulike rangeringene vektlegger ulike forhold, og det er en vesentlig del i forskningsmeldingen – sammenhengen mellom forskning og utdanning. En opplagt utfordring vi har, er å finne bedre indikatorer med hensyn til hva som er god utdanningskvalitet. Det er også vanskelig å fange opp i disse rangeringene. Vi kommer helt sikkert til å få større muligheter til å diskutere dette når regjeringens forskningmelding skal diskuteres i Stortinget, for et gjennomgående perspektiv i den meldingen er at vi som er et lite folk, og som alltid kommer til å ha en forholdsvis liten andel av verdens kunnskapsproduksjon, med fordel kan spisse oss mer på ulike områder. Det gjelder alle institusjoner, men vi må samtidig ha det brede perspektivet på plass. Våre institusjoner skal også sørge for at vi har høyt utdannet og kompetent personell i alle deler av landet. Me er i dag inviterte av representanten Henning Warloe til å diskutera kvalitet og ambisjonar for høgare utdanning. Det er

eller på institusjonsnivå er for låge. Nei, det er fordi prioriterte mål, også på dette området, naturleg nok kan endra seg. Arbeidarpartiet og arbeidarrørsla har alltid vore opptekne av å løfta all utdanning. Kampen for tilgang til kunnskap og utdanning

utdanninga skal vera relevant for samfunnet, og ikkje minst: Me skal løfta kvaliteten. Dette har vore dei tre raude trådane som har gått igjen i dei fleste reformene i all utdanning, alt frå barnehagenivå til høgare utdanning. Eitt av fagrørsla sine tidlege krav – som ein kan spora heilt tilbake til 1850-talet – fokuserte sterkt på at born frå allmugen skulle ha ein fri rett til høgare utdanning.

Eg har lyst til å understreka at det er rett – som interpellanten poengterer – at norske universitet gjer det dårlegare enn våre nordiske vener i desse rangeringane. Det indikerer nok at kvaliteten ikkje er heilt på topp. Eg skal ikkje ta ein disputt med representanten Warloe om dette er fakta, sjølv om han openbert hadde håpa på det. På same måten som indikatorar

kunnskap. Dette handlar også om ei form for kvalitet i utdanninga. Det blir naturleg nok ikkje automatisk fanga opp i internasjonale rangeringar. I Arbeidarpartiet er vårt perspektiv at norske utdanningar skal liggja i verdsklasse, for Noreg skal i framtida konkurrera med omverda basert på kunnskap og forsking. Me må ha som mål at våre universitet og høgskular skal ha ei verdsleiande utdanning innanfor prioriterte område. Difor vil me i Arbeidarpartiet og regjeringa ha ei betre arbeidsdeling og meir samarbeid innan høgare utdanning. For å oppnå dette meiner me at det i programarbeidet må gjennomførast ei nasjonal kunnskaps- og strukturreform for å sikra nettopp desse måla. Men me må òg i tillegg gjennomgå finansieringsmodellen for sektoren, med særleg vekt på å vurdera korleis me kan auka studentgjennomstrøyminga, studiekvaliteten og korleis me sikrar ein likeverdig kvalitet i utdanninga i heile landet. Når det er sagt, vil eg naturlegvis også visa til at ikkje alt krut nødvendigvis trengst å bli funne opp på nytt. Regjeringa har naturlegvis både høge ambisjonar, gode strategiar

Jeg synes jeg må få knytte en kort kommentar til det representanten Bremer sa nå, for han snakket veldig mye om ambisjoner. Men så vidt jeg kunne skjønne, var det eneste virkemiddelet som ble presentert, mer samarbeid. Det er for så vidt et virkemiddel jeg er enig i. Jeg skal prøve å komme med noen andre innspill etter hvert. Jeg har også lyst til å takke interpellanten for at vi får tatt denne debatten. Jeg er enig med både statsråden og og Bremer i at dette nok er et tema som vi er nødt til å adressere også når vi behandler forskningsmeldingen – som vi vel så vidt har begynt med i komiteen. Så er jeg enig med dem som sier, har sagt og kommer til å si etter meg, at det er helt åpenbart fornuftig å diskutere rangeringen. Det er fornuftig å og alt dette, og hvordan rangeringen kan gi et bedre bilde av de universitetene vi faktisk rangerer. Alt det er vel og bra, men samtidig er det sånn at disse rangeringene er der, og vi må forholde oss til dem. Det gjør internasjonale forskere, det gjør internasjonale studenter, og det gjør norske studenter. Hvis vi skal klare å rekruttere de aller fremste både studentene og forskerne til norske universitet, er det tvingende nødvendig at vi har noen institusjoner som klarer å hevde seg på disse rangeringene. Jeg tror også at å ha noen akademiske flaggskip som er godt synlige ute i Europa, er bra. Jeg tror også det er bra for de institusjonene som ikke kan forventes å ha den typen ambisjoner. Å ha noen flaggskip i Norge som utdanner og forsker på høyt, høyt nivå, nivå, vil også være rekrutteringsgrunnlag for andre institusjoner i resten av landet. Så tror jeg det er åpenbart at noen av universitetene – det var vel interpellanten inne på også – må ta jobben med å hente hjem kunnskap fra forsknings- og utdanningsmiljøer andre steder i verden. Helt uavhengig av hvem som styrer Kunnskapsdepartementet, vil Norge

det. Jeg er for så vidt enig i det meste som statsråden sa. Men så håper jeg at jeg når budsjettet kommer i oktober en gang, nikker gjenkjennende til det – at ok, dette har statsråden faktisk fulgt opp – for det har jo en konsekvens også der. Jeg er veldig enig i det statsråden sier, at institusjonene selv har et betydelig ansvar for å løse dette, og de må bruke sitt strategiske handlingsrom til å nå det målet. Da synes jeg det er et paradoks at det er blitt trukket fram, for vi vet at under den rød-grønne regjeringsperioden, i de siste åtte årene, har det strategiske handlingsrommet til universitetene som kunne blitt brukt til å posisjonere seg internasjonalt, de facto blitt redusert. redusert. Dette er det ikke Fremskrittspartiets utredningsavdeling som har kommet fram til, men det er Handlingsromsutvalget som har kommet fram til det. Det er jo det ene – vi må styrke det strategiske handlingsrommet til disse institusjonene. Da handler det, tror jeg, om å prioritere. Det er vi altfor dårlige på å diskutere i denne sal. Jeg mener at skal vi få til dette, som jeg mener er en god ambisjon,

basert på rent kvalitative parametre. Det mener jeg er for dårlig. En større andel av Forskningsrådets midler må gå til

Derfor har jeg lyst til å rette en takk til representanten Warloe for å reise denne probemstillingen enda en gang, sjøl om det ikke er så veldig lenge siden sist vi var inne på det samme. Det er viktig at vi som stortingsrepresentanter har utviklingen i norske universitet og høgskoler til jevnlig debatt. Uten oppmerksomhet er det lett å styre unna radaren. En kan i og for seg si at det ikke har noen betydning hvilken plass et norsk universitet plasserer seg på på internasjonale rankinglister. Universitetet kan jo være godt likevel, og kanskje er det også aller best innenfor sitt område. Men vi kan ikke komme bort fra det faktum at både norske og utenlandske studenter sjekker rangeringslistene før de skal studere. Noen arbeider målrettet for å sikte seg inn mot en plass på et av de mest prestisjetunge universitetene. Ja, sjøl komiteen ble jo, som representanten Warloe nevnte,

Vi kan godt mene at universitetene er sjølstendige og dermed bør sørge for å kvalifisere seg på egen hånd, men vi kan ikke som stortingspolitikere abdisere. Vi er de bevilgende myndigheter, og vi må stille både krav og ha forventninger til våre institusjoner også på dette området – som sektoren skal ha til oss. Spørsmålet er om vi har gode nok og klare nok forventninger til hva universitetene skal levere av forskning, kvalitet i undervisningen og oppfølging for for god progresjon. Stiller universitetene sjøl strenge nok krav til egne ansatte og til studentene? Organiserer vi oss riktig innad i institusjonene? Er det god nok ledelse? Vet vi faktisk hva som virker læringsfremmende i høyere utdanning, og hva som virker læringshemmende? Vet vi nok om hva som skal til for å heve oss på de internasjonale rankinglistene? Jeg tror ikke det. Vi skjønner alle at det er krevende for et norsk universitet å ta mål av seg til å oppnå topplasseringer på de internasjonale rankinglistene. Jeg mener vi ikke skal forvente det, men vi må kunne ha en ambisjon om i alle fall å være inne på listene, og kanskje blant de 100 beste. Mange av de store og tunge utenlandske institusjonene har en helt annen historie og andre muligheter enn norske universiteter har, men vi må ta de beste erfaringene fra disse institusjonene, og så må vi sette oss noen mål. Det er heller ingen grunn til at ikke vi skal ha ambisjon om å være like gode som svenskene. Karolinska Institutet ligger i dag som nr. 44 på Times Higher Education for 2013. Svenskene har fire universitet blant de 140 beste på denne rankingen, og både Danmark og Finland har universitet på lista. Vi har ingen blant de 200 beste. Times Higher Education gir poeng for både undervisning, internasjonalisering, utbytte for bedrifter, forskning og sitering. De måler ut fra 13 ulike kriterier, så vidt jeg vet. Vi lever i en global verden der avstander er små, mye mindre enn tidligere, og verden kan vurderes uansett hvor vi sitter. Rangeringslistene trenger ikke være et sannhetsvitne på hva som er best, men de har betydning. Det blir derfor interessant å se de første listene der de enkelte fagdisipliner måles mot hverandre, slik som U-Multirank har tatt mål av seg til å gjøre i Så kommer det også til å bli en diskusjon om disse listene er gode nok all den tid det blir noe opp til den som leser sammenligningene, å mene hva som er godt og mindre godt. Globalisering betyr at norske universiteter fortsatt vil kunne profitere på at vi ikke krever skolepenger av studentene. Man kan studere gratis. Selv om jeg har sett at enkelte har tatt til orde for å innføre skolepenger, til og med programkomiteen i Senterpartiet, er dette kanskje en av de største fordelene både studenter og institusjoner i Norge har, og noe vi bør verne om. Innføring av skolepenger, og sågar kun for utenlandske studenter, mener jeg overhodet ikke kommer til å bidra til at vi gjør våre institusjoner bedre. Jeg tror det snarere tvert imot vil kunne føre til at vi mister en svært viktig dimensjon ved institusjonene. Internasjonalisering og studentmobilitet er med på å fremme kvalitet og muligheten til å stige på rankinglistene. Det kan ha et uvurderlig potensial for landet vårt framover. Disse studentene skaper seg nettverk mens de er i Norge. De lærer vår måte å leve på, hva som passer seg og ikke, slik norske studenter i utlandet gjør. Først vil jeg takke interpellanten for at han reiser en debatt om kvaliteten i høyere utdanning. Dette med rangeringer er viktig, og det er spennende. En kan spørre seg hvorfor spørsmålet om målinger reises. Det kan skyldes at det er større nasjonal interesse knyttet til hvordan ressursene skal brukes, altså et ressursfokus. Det kan være at internasjonalisering og globalisering gjør at sammenligning med utlandet blir mer naturlig, og at rangeringer er en del av dette. dette. Dessuten er rangeringer som skapt for mediesamfunnet. Men rangeringene har en rekke utfordringer. Blant annet er det forskjell på hvor fokuset er, og en kan trekke ulike slutninger ut fra rangeringer, som at et universitet har blitt bedre eller dårligere på grunn av hopp eller fall på listen, uavhengig av å se det i relasjon til andres bevegelser på listen. En utfordring med rangeringer er hvordan de leses. En kan utføre en liten lek med rangeringsdata. Hvis en f.eks. ser på Shanghai-rangeringen og stiller spørsmålet: Hvor mange læresteder har de ulike land blant topp 100, er svaret at USA har 53, Storbritannia har 11, og Tyskland og Japan har 5. Ser en antall læresteder blant topp 100 sett i forhold til folketall, er Sveits nr. 1, Danmark nr. 3, Sverige nr. 4, Norge nr. 5 og Finland nr. 5. – vi er altså på topp Mer om dette kan leses i boken Kehm og Stensaker, 2009: University Rankings, Diversity, and the New Landscape of Higher Education. Der vil en se at en kan lese rangeringer på forskjellige måter, og det kan måles på forskjellige måter. Men vi har andre kvalitetsindikatorer som vi kan bruke sammen med rangeringer, f.eks. vitenskapelig publisering. Produksjonen av vitenskapelige publikasjoner har økt med 50 pst. bare de siste fem årene. Det har gjort at Norge som et av få vesteuropeiske land har økt sin andel av verdens samlede artikkelproduksjon fra 0,53 pst. i 2001 til 0,63 pst. i 2011. Vår doktorgradsutdanning er godt ansett blant internasjonale kolleger, norske studenter er vel ansett i utlandet, og vi utdanner flere doktorander. Dette til sammen gir grunnlag for å si at Norge klarer seg bra. Selv om det er rom for forbedring, er det ingen grunn til å svartmale universitetene i Norge. Skal vi ha et bedre forskningssystem, bør vi ha mer langsiktighet gjennom forskningsplaner og spissing, og vi må satse der Norge har folk og fortrinn, slik forskningsmeldingen legger opp til. Jeg er enig med siste taler i at rangeringer kan leses forskjellig, og man kan trekke ut ulike typer kunnskap. Det er nødvendigvis interessante tema og interessante øvelser. Det er klart at vi fra Høyres side ikke er opptatt av å svartmale. Jeg har ikke er opptatt av å svartmale. Jeg har ikke slått fast at det er – nær sagt – svært negativt for Norge at vi på siste Times Higher Education ikke har noe universitet inne blant de 200 beste. Det går an å tenke ulikt om det. Hvis det er slik – og nå må jeg ta forbehold om at jeg husker det riktige antallet – at det finnes et sted mellom 10 000 og 16 000 universiteter i verden – i Kina kommer det visstnok nye nær sagt hver uke, så det tallet er under utvikling – men la oss si at det finnes 10 000 universiteter i verden, og at lille Norge har 2 inne blant de 250 fremste, så er ikke det nødvendigvis noe dårlig resultat. Men det er nettopp det jeg har forsøkt å ta opp. Svaret på spørsmålet er avhengig av hvilket ambisjonsnivå man har bestemt seg for å ha. ha. Det synes jeg er en interessant debatt, som nødvendigvis må basere seg på noen analyser og strategiske vurderinger. Jeg mener at regjeringen åpner for å gjøre en viss – de kaller det vel for en – systematisk sammenligning av ulike fakta over tid mellom våre fremste og de øvrige fremste universitetene i Norden. Det vil sannsynligvis være et godt utgangspunkt for å kunne vurdere hvilket forbedringspotensial våre universiteter har. Selv om jeg har fått skryt fra noen for å reise en debatt om kvalitet, har jeg strengt tatt kanskje først og fremst ønsket å reise en debatt om ambisjonsnivå, fordi kvalitet kan man måle på så mange måter, men et ambisjonsnivå må ta valg. Da ville naturligvis et slikt valg være å ta de internasjonale rangeringene på alvor og si at disse må vi forholde oss til. Vi kan være uenig i noen av kriteriene, men dette er verden slik den er skrudd sammen akkurat nå. Dette vies stor plass internasjonalt, og vi ønsker å lage en politikk som skal gjøre våre universiteter slik at de fremstår som mer konkurransedyktige. Jeg vil være helt overbevist om at de også vil ha høyere kvalitet dersom de over tid scorer systematisk høyere på disse rangeringene. så mye lenger her i dag. Debatten er strengt tatt snart slutt. Når vi kommer til behandlingen av forskningsmeldingen, kan jeg i hvert fall love at vi fra Høyres side vil ha en rekke konkrete forslag, nettopp for å løfte kvaliteten og profilere våre aller beste institusjoner og miljøer bedre og sterkere i den internasjonale konkurransen. Dette er vel kanskje en liten oppvarming til den diskusjonen komiteen først skal ha om forskningsmeldingen, og som så skal tas i Stortinget før

bestemt, utvalgt internasjonal rangering. Et mål for norske institusjoner som dreier seg om å øke og spisse mer på noen områder, tror jeg passer bedre i forhold til det som er vårt utgangspunkt. Der har vi noen områder hvor vi er i verdensklasse allerede. Vi kan få flere, men vi bruker jo ikke de virkemidlene vi har i dag, f.eks. Senter for fremragende forskning, til å heve hele institusjoner. De spisser vi inn mot noen miljøer som vi ser har spesielle kvaliteter, og de konkurrerer også på kvalitetsparametere. Det er selvfølgelig en annen måte å tenke på. Det betyr også at mindre institusjoner kan delta i konkurransen om å være sentre for fremragende forskning, og kan tildeles dette.

en diskusjon som alle institusjonene bør ha. Vi bør ikke tenke sånn at vi har noen få universiteter som skal ha ambisjonene, og at de andre kan lene seg tilbake. Det bør ikke være sånn at vi tenker at vi har noen få universiteter som liksom skal ha ambisjonene, og så kan de andre lene seg tilbake. Det bør være sånn at man på hver enkelt institusjon tenker nøye igjennom på hvilke områder man virkelig ønsker å løfte seg, både innenfor forskning og innenfor og utdanning. Det er også et perspektiv som ligger i forskningsmeldingen, og som jeg selv er veldig opptatt av. Den viktigste måten å spre god forskning på er gjennom studentene: gjennom den kvaliteten de har fått i sin utdanning, og gjennom det de tar med seg ut i samfunnet på alle de ulike områdene de kommer til å jobbe. Den viktigste måten å rekruttere til god forskning på er også gjennom studentene, gjennom dem man klarer å vekke til å yte en ekstra innsats.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

representanten Elisabeth Aspaker

Jeg setter stor pris på det arbeidet regjeringen har gjort for å heve statusen til læreryrket, og for interessen som dette arbeidet har skapt for det som er verdens beste jobb. Å være lærer for barn og unge er krevende, litt slitsomt og veldig, veldig givende. Komiteen viser i sine merknader til at det allerede er en dialog om disse spørsmålene. Gjennom GNIST-samarbeidet mellom partene i skole- og utdanningssektoren er karriereveier og rekruttering av nye lærere et tema. Men, som vi også skriver i våre merknader, mener komiteens flertall at dette er noe som skal være opp til partene i arbeidslivet å forhandle om. Derfor ønsker vi heller ikke å vedta forslagene Tenden og Skei Grande kommer med. ønske om et eget prøveprosjekt med ekstra lønnstilskudd til lærere med doktorgrader ser heller ikke komiteens flertall at er nødvendig, all den tid det er mulig å forhandle om lønnsinnpassing for lærere gjennom enten sentrale eller lokale forhandlinger. Det er likevel viktig å framheve det gode arbeidet regjeringen har gjort – og skal fortsette å gjøre – for å heve statusen til læreryrket. I dag er læreryrket. I dag er det langt flere som ønsker å bli lærere. Flere søker seg til lærerutdanningene, og statusen er på vei oppover igjen. Men det er ikke gitt at alle med doktorgrad hever statusen til yrket, eller hever kvaliteten i utdanningen. For det er som reklamekampanjene sier: «Har du det i deg?» Det er ikke alle som har det i seg, og da skal de heller ikke bli lærere. Vi må rekruttere mennesker som kan formidle den kunnskapen de sitter på, enten de har kunnskap fra høyskoleutdanning, fra mastergrad eller fra doktorgrad. Av erfaring vet jeg at det er et stort sprang fra å skrive en master til å møte 14-åringer. Det er en utfordring å gå fra et høyt akademisk nivå til å svare på spørsmål som: Hitler, er det han med den store De folka vi ser etter, er mennesker som klarer nettopp det spranget, og som kan oversette den kunnskapen de sitter på, til god undervisning på grunnskole- eller videregående nivå. Vi må altså fortsette det gode arbeidet for å få flere til å velge å bli lærere, og for at flere skal fullføre den lærerutdanningen de nettopp har begynt på. Det er tydelig at kunnskapsministeren arbeider intenst og godt med nettopp dette. Vi må også få tilbake de frafalne lærerne, og da er det kanskje til og med noen her på huset som kan vurdere å komme tilbake igjen etter endt politikerkarriere. Vi må også rekruttere flere fra nye grupper, også mennesker med doktorgrad. Men da er det viktig at vi ikke forhaster oss, men at vi følger opp det gode arbeidet som kunnskapsministeren gjør, og ikke minst at vi lar partene gjennom bl.a. GNIST-arbeidet finne løsninger på nettopp disse utfordringene.

Høyre har selv tatt til orde for en rekke tiltak for lærerne, med det formål å øke utdanningens attraktivitet og heve yrkets status. Jeg nevner femårig masterutdanning med veiledet overgang til yrket, radikal opptrapping av etter- og videreutdanningstilbudet, et mer fleksibelt og desentralisert videreutdanningstilbud og sist, men ikke minst: Høyre vil ha nye karriereveier i skolen som innebærer at flinke lærere skal kunne videreutvikle seg og gjøre karriere der elevene er – i klasserommet.

men lærerutdanningen har en stor utfordring knyttet til det høye frafallet fra studiet. Hva tenker GNIST-partnerskapet om dette? Ser statsråden at det kan stilles spørsmål ved de betydelige midlene som er satt inn i årlige reklamekampanjer, og om disse midlene kunne ha gjort bedre nytte for seg om de hadde blitt brukt til å prøve ut ordninger med f.eks. opptaksintervju og til styrket veiledning for nyutdannede lærere som er ute i sin første jobb?

og da er det bekymringsfullt å registrere at regjeringspartienes innstilling i denne saken er at forslaget ikke vedtas. Det sender etter Høyres syn meget ukloke signaler til landets lærere. Det er behov for å tenke nytt om utviklingsmuligheter i lærerjobben, og jeg vil derfor sterkt appellere til at regjeringspartiene revurderer sitt syn og stemmer for forslag nr. 1 om at forslaget vedlegges protokollen. Venstre fortjener ros for å ha fremmet dette forslaget,

om vi ser bort fra elevenes sosiale bakgrunn. Men hvis regjeringen og kunnskapsministeren vil dyrke fram enda mer kompetente lærere, etterlyser Høyre nå flere konkrete tiltak for å oppnå dette. Å legge til rette for nye karriereveier i skolen kan være ett slikt tiltak. En regjering som bedyrer at den slår ring om fellesskolen, uten å ta tilstrekkelige grep for sikre at skolen har nok kvalifiserte lærere i fremtiden, har i realiteten sviktet elevene. Noe er feil hvis det er slik at elevene blir prisgitt flaks med hensyn til hva slags utbytte de får av skolen. Høyre kan i dag ikke slutte seg til forslagene nr. 2 og 3, for vi mener at dette må utredes nærmere, og det er behov for å ha en dialog med lærernes organisasjoner og kommunesektoren, som har arbeidsgiveransvaret. Men Høyre mener regjeringen også har et stort ansvar for å ta initiativ og være en mer aktiv pådriver for tiltak som kan bidra til å heve læreryrkets status og gjøre det mer attraktivt å velge dette yrket. Tiden er i ferd med å renne ut for oss. La meg si helt til slutt at det kanskje mest påfallende i den stortingsmeldingen som vi fikk for en uke siden, som heter «På rett vei»,

hvert fall helt nødvendig å gjøre det. Vi har allerede flere tusen stillinger i norsk skole hvor det ikke er kvalifisert personell til å utøve nettopp det yrket. Det i seg selv, at vi aksepterer den allerede eksisterende underdekningen av utdannede lærere i skolen – og ansvaret for det allerede eksisterende underdekningen av utdannede lærere i skolen – og ansvaret for det ligger ikke bare her, det ligger definitivt også ute i kommunene – er på mange måter å sende ut et feil signal. Det er selvfølgelig ikke bra. Derfor må vi jobbe med å styrke statusen til læreryrket. Representanten Aspaker var inne på GNIST. Det det har jo det. Det har blitt flere søkere, det skal vi ikke stikke under stol. Men samtidig viser opptaksstatistikken at karaktersnittet nesten ikke har endret seg. Det er et tegn på at det kanskje ikke er de mest talentfulle videregående elevene man har truffet. Det er det man lykkes så godt med f.eks. i en del asiatiske land, og ikke minst i Finland, som får til dette med skolen, og rekrutterer de beste elevene i videregående til lærerutdanningen. Uansett hva som skjer med dette – vi kan jo anta at det blir nedstemt – er det viktig at vi holder trykket. Derfor er jeg glad for at Venstre har fremmet dette forslaget, og at vi får sjansen til å diskutere det. Noe av det vi kan gjøre, er å skape attraktive arbeidsplasser, men da må vi også belønne faglig tyngde. Det kan vi gjøre gjennom å styrke etter- og videreutdanningsprogrammene, og vi kan gjøre det ved at man økonomisk, lønnsmessig, stimulerer dem med høyere utdanning, noe det strengt tatt – det tror jeg vi må være ærlige og si – er veldig begrenset rom for å gjøre i dag. Så kan man si at vi må vente på partene. Ja, hadde dette vært en debatt som dukket opp i går, hadde det for så vidt vært et veldig begrenset rom for å gjøre i dag. Så kan man si at vi må vente på partene. Ja, hadde dette vært en debatt som dukket opp i går, hadde det for så vidt vært et helt legitimt standpunkt, for det er klart at det er partene som til syvende og sist må ta grep og gjøre vedtakene. Men det går jo an å hjelpe dem litt på veien med å sende noen tydelige signaler fra denne talerstolen. Det gjør jeg nå, jeg håper i hvert fall at jeg er tydelig. Dette må vi få på plass. Vi er nødt til å belønne kompetanse i skolen i tung faglig kompetanse på undervisningssiden, særlig i videregående, har svært positiv effekt. Man har først og fremst prøvd med folk med hovedfag og mastergrad så langt, og i altfor liten grad med folk med doktorgrad. Jeg er sikker på at det vil fungere, og det vil sannsynligvis også påvirke hele læremiljøet på den enkelte skolen. I så langt, og i altfor liten grad med folk med doktorgrad. Jeg er sikker på at det vil fungere, og det vil sannsynligvis også påvirke hele læremiljøet på den enkelte skolen. I likhet med Høyre er vi medforslagsstiller til forslag nr. 1, men vi velger i dag ikke å stemme for forslagene nr. 2 og 3. Men som sagt, vi kan ikke ha denne debatten år etter år etter år, og at det er partene, partene og partene som skal ordne opp. Hvis vi ønsker dette, må vi også bidra med å sende klare om at kompetanse er viktig i skolen, og at vi prioriterer både å styrke kompetansen som allerede er der, gjennom etter- og videreutdanning, og å belønne folk med stor faglig kompetanse når de blir ansatt. Det er

så de kan bli lærere, vi er avhengige av at de starter å jobbe i skolen, og vi er også avhengige av at de blir der. Det er tre viktige forutsetninger hvis vi skal klare å skaffe mange nok og gode

i. I så henseende mener vi at det er mange gode forslag i Venstres Dokument 8-forslag her. La meg også nevne noe annet som jeg synes vil være viktig for å klare å få det til. Det ene har Kristelig Folkeparti tatt opp før. Vi er bekymret for at praksisandelen i den nye lærerutdanningen ikke ble økt når vi først tok oss tid til å lage en helt ny lærerutdanning. Jeg tror at det er i møtet med klasserommet at de fleste av dem som har begynt på studiene, eller fullført studiene, får et praksissjokk,

til. Det forslaget som vi har lagt fram her i dag, sier egentlig litt om kunnskapssyn og viser noen skillelinjer i politikken, slik jeg ser det. Hva er den store utfordringa i norsk skole i dag? Jo, det er å få flere kloke, gode lærere inn i hvert klasserom. Det er det viktigste. Det mener jeg at man skal bruke alle krefter på. Hva kan man da gjøre for både å få lærere tilbake, flere inn i utdannelsen, og flere gjennom utdannelsen, som er den største utfordringa? Jeg tror ikke på reklamekampanjer. Jeg tror at det gjøres ved å gjenreise respekten for læreryrket, stein for stein. Det gjør man ved å lage akademiske karriereveier for lærere, det å gjøre det mulig for lærere å kunne bygge opp faget sitt i løpet av tida i klasserommet, det å verdsette det å stå foran elever og som det gjeveste du faktisk kan gjøre i skolen – ikke å bli rektor, ikke å bli inspektør, ikke å bli utdanningstillitsvalgt, det er faktisk det å stå i klasserommet og stå foran elevene. Så til det som kom fra saksordføreren, at bare du er trivelig og jovial og kommuniserer bra med elevene eller har det i deg, som det heter, Så til det som kom fra saksordføreren, at bare du er trivelig og jovial og kommuniserer bra med elevene eller har det i deg, som det heter, er du en god lærer: Jeg skal fortelle at jeg har hatt mange gode lærere som har vært kjemperare, som har vært underlige personligheter, som har levd for sine fag – det er mange gode lærere som har Jeg tror at det å formidle fag ikke har noe med å være kul eller å være grei å gjøre, det har med at du kan faget ditt, du brenner for faget ditt, du har lyst til å formidle faget ditt. Derfor vil jeg at vi skal ha et system som stimulerer lærere til å strekke seg etter fagene sine i løpet av en yrkeskarriere. Derfor vil jeg ha flere doktorgrader inn, sånn som man nå holder på å jobbe med i svensk skole. Der har man gjort Derfor vil jeg ha flere som strekker seg etter fagene sine i løpet av en yrkeskarriere, og som kan stå i klasserommet og gjøre det. Jeg har flere ganger fortalt historier fra Budapest fra denne talerstolen om professoren som måtte undervise på alle nivå for å kunne beholde professortittelen sin. Jeg mener at vi skulle hatt de aller beste til å undervise de aller, aller yngste. Jeg ville hatt dem som virkelig kan fagene sine, til å undervise de aller, aller yngste. Hvis du ser f.eks. på institusjoner som virkelig har lykkes i Norge, på kunstfagene våre, som f.eks. innenfor musikk, som Barratt Due, hva er nøkkelen i Barratt Dues pedagogikk? Hva er hovedtankegangen i pedagogikken som den institusjonen er bygd på? Jo, den er bygd på at du skal bruke de aller beste lærerne på de aller, aller yngste. Du skal bruke de ypperste. Når de organiserer Valdres Sommersymfoni, henter de inn de beste pedagogene fra hele Europa – ja, fra hele verden – for å undervise niåringer på fiolin. Resultatet er fantastisk, selvfølgelig er det det. Når du har de beste fagfolkene til å jobbe med de yngste, får du fantastiske resultater. Da er det ikke om å gjøre å være kul, men om å gjøre å være kjempegod til å spille på fiolin. Det mener jeg er en tankegang som vi må legge inn i hele det norske skolevesen. Det handler ikke om at vi har mistet makta ved å legge dette til en annen forhandlingsinstitusjon. En har masse muligheter til å bruke den makta fra departementet. Det handler om å legge karrierestigene. Det er derfor vi har ønsket også å åpne for sertifisering, nettopp for å kunne gi mer status til å være lærer. Det er derfor jeg kanskje også ville laget en helt annen stige med akademiske navn på det å være lærer, sånn at du også kunne lage en karrierestige knyttet til lønn og knyttet til det å stå i klasserommet foran elevene. Det er der jeg tror vi må strekke oss for å klare å rekruttere gode fagfolk framover. Det er sånn vi må gjøre det for å løfte statusen til læreryrket framover. Vi må gi «kreden» til kunnskapen. kunnskapen. De forslagene som vi har lagt fram her i dag, mener vi er et skritt for å kunne gjøre det. Da vil jeg gjerne ta opp de forslagene som vi har i saken. Dette kommer vi til å huske på også etter valget, og dette kommer til å være en av de viktigste tingene vi trenger å gjøre når vi skal løfte norsk skole framover. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp de forslagene hun refererte til. Jeg har lyst til å starte med et sitat. «All makt i

vi ønsker bedre lærere, vi ønsker bedre utdanning for lærere, vi ønsker at flere skal bli lærere, vi ønsker at de dyktige i samfunnet vårt skal bli lærere. Vi mener at det er svært viktig, og det er vi egentlig enige om. Årsaken til at jeg sier dette om «All makt i denne sal», handler om at det er to viktige institusjoner som er nøkkelinstitusjoner i så måte – i hvert fall den ene er og høyskolesektoren, som er autonom. Hvordan de utvikler, implementerer, underviser og jobber med praksisrettet utdanning, bestemmer de i stor grad selv. Det gjør at det er krevende å styre herfra hvordan disse utdanningene skal være. De som eier skolene i Norge, er enten kommuner, som har et lokalt selvstyre, og som har et arbeidsgiveransvar, eller private, og de private styres også gjennom opplæringsloven. Da har vi selvfølgelig mye styring herfra, men akkurat i de tingene vi snakker om nå, er det en avmakt rundt hvilke virkemidler vi faktisk har. Det er klart at KS nok ikke vil være like begeistret for en del av disse forslagene som kanskje mange i denne komiteen ville Likevel mener jeg at det er en veldig riktig og viktig debatt å reise fra Venstres side, for vi er helt enige om at skal noen satse på læreryrket, er du nødt til å ha utviklingsmuligheter. Det bør også være slik at man får en trappestige når det gjelder lønn, som det er på veldig mange andre områder. Men det er Utdanningsforbundet og partene mindre interessert i enn kanskje andre fagorganisasjoner. Det må vi respektere, for sånn er spillereglene i Norge. Det gjør at det er ganske krevende å vedta her hvordan dette skal gjøres i detalj, og det er hovedårsaken til at posisjonspartiene går imot, selv om vi mener at det er mange kloke tanker som ligger bak. Da har jeg lyst til å utfordre oss selv, og det gjelder dem som sitter og styrer norske kommuner – de er med i de samme partiene som oss, de kommer til å møte på landsmøtene utover våren, og de har mye makt rundt disse tingene: Vi kan utmerket godt lage karriereplaner og lage spesielle stillinger i norske kommuner. Vi kan gjøre det i Oslo også, hvor Høyre styrer sammen med Venstre. Vi kan gjøre det i mange av de kommunene Arbeiderpartiet styrer. Men vi er også nødt til å bidra til at våre lokale politikere som står tett på skolen som skoleeiere, i større grad bruker den typen virkemidler, sånn at vi får enda flinkere lærere, og at det jobbes systematisk med god

men også med måten han jobbet på – dette var naturfag – fordi han hadde sørget for å få, hva skal en si, tiloversmateriale fra slaktede dyr og stappet fryseren full. Det betydde at disse elevene hadde ekte materiale å dissekere og lære fra i naturfagtimene – fantastisk interessant og inspirerende. Det var nettopp den kombinasjonen av faglig dyktighet, et intenst engasjement og en god pedagog som klarte å løfte elevene til de høydene, og de kåret ham til Norges kuleste lærer. Så kult trenger ikke å være slapt, har jeg bare lyst til å si til Stortinget. La meg bare si følgende: Det er veldig mye av det som ligger i dette forslaget, som jeg er veldig enig i. Spørsmålet er: Hvordan er veien fram til å finne et system som gjør at vi klarer å sikre oss at de som har sterk faglig interesse av å utvikle sin faglige interesse, også er nærmest elevene? Hvordan er veien dit? Det er noen som tror at GNIST-samarbeidet er en reklamekampanje. Men GNIST-samarbeidet er en måte å tenke på i forhold til hvordan man skal samarbeide med de berørte i sektoren for å få til noen gode resultater. gode resultater. GNIST-samarbeidet er altså samarbeid med lærerorganisasjonene, med KS, med høyskolesektoren og med studentorganisasjonene, og vi har jevnlig kontakt. Det er det som er bakgrunnen for at vi lykkes med å rekruttere flere til lærerutdanningen nå enn tidligere. Reklamekampanjene er en bitteliten del av det, men det systematiske samarbeidet på dette området er det som gir uttelling. uttelling. Jeg må si: Noen ganger føler jeg at regjeringen er litt ensom i kampen for å gjøre læreryrket attraktivt. Det er et utrolig krevende og spennende yrke, og jeg tror det er nettopp det ved de reklamekampanjene vi har hatt som har appellert til ungdom, nemlig at vi sier at dette ikke er et yrke for alle. Det er ikke et yrke for deg, hvis du ikke har i deg den faglige interessen, den faglige interessen, evnen til å skape kontakt med ungdom og muligheten til å følge dem opp skikkelig. Det er nettopp noe av bakgrunnen for at vi har økt rekrutteringen. En del av dem som begynner på lærerutdanningen, skal slutte før de er ferdige, fordi de oppdager at de ikke hører hjemme der. Da er det bedre at de slutter enn at de hangler seg halv- eller uinteressert gjennom en lærerutdanning, er med på å demotivere de andre studentene og kommer ut uten å ha tenkt å være noe særlig i norsk skole. Det beste er selvfølgelig om de oppdager det før de starter på utdanningen, men hvis de oppdager det underveis, er det bedre at de finner på noe annet å gjøre. Til det siste: Vi har et tett samarbeid, gjennom GNIST-partnerskapet, for å se på nettopp det som er intensjonen i disse forslagene; hvordan vi skal få til flere karriereveier. karriereveier. Vi hadde senest den 4. mars i år et møte om akkurat dette, som tok utgangspunkt i på hvilken måte vi kunne få opp interessen blant tariffpartnerne for et samarbeid om lokale løsninger for karrieresystem. Da tror ikke jeg det klokeste er at Stortinget gjør vedtak som kommer inn fra siden og sier: Slik har vi tenkt at det skal være. Da tror jeg det klokeste er at man blir enig med partene om hvordan man skal gå videre på dette. Vi har diskutert sertifiseringssystem, og vi har hatt innledere fra Sverige som har gått igjennom på hvilken måte man har gjennomført sertifiseringssystem i Sverige. Det gjorde meg ganske skeptisk. Det er omtrent bare svensker som klarer å gjøre noe som har en så god intensjon, så byråkratisk, og det var det Utdanningsforbundets landsmøte også vedtok. Da er det neppe noe særlig klokt at vi fra sidelinjen trer det Jeg er veldig enig i veldig mange av intensjonene som ligger i dette forslaget. Men all min erfaring når det gjelder hva det er vi lykkes med når vi får opp rekruttering og interesse for læreryrket, er at godt samarbeid med partene er avgjørende. Hvis vi trer noe nedover hodet på partene som gjør at denne forholdsvis krevende diskusjonen skjærer seg i utgangspunktet,

Det er klart at hvis dette blir trenden framover, og hvis studenter går halve utdanningsløpet og tar opp plasser for andre som burde gått der, og som hadde hatt som intensjon å bli lærere, greier vi ikke å utdanne de lærerne vi trenger. Vil statsråden vri noen av disse GNIST-midlene som investeres i søkerfasen i dag, over i den fasen hvor studentene

Men vi må regne med en del frafall, og det mener jeg er riktig, men ikke i størrelsesorden 30 pst. Så må vi få opp kvaliteten i utdanningen, slik at vi er sikre på at flere fullfører. Men jeg mener at de tingene som tas opp i dette Dokument 8-forslaget, er viktige for nettopp å motivere for senere, for det dreier seg om Ja, det har vært snakk om disse karriereveiene, og hvem som skal ha ansvaret for å designe og lage dem, og jeg blir litt i stuss når jeg hører her at man mener at man ute i hver kommune skal lage hver sine karriereveier. Mener virkelig ikke statsråden at dette også handler om nasjonal politikk? Det handler om å få til noen føringer som gjør at man skal kunne se det systemet: Blir du lærer, vet du at den karriereveien kan du regne med å forfølge, enten du blir ansatt i Finnmark, Oslo eller rundt omkring, eller mener statsråden virkelig at dette er noe som staten skal abdisere fra og ikke mene noe om? Jeg tror jeg sa akkurat det motsatte, nemlig at den kontakten, dialogen og den felles møteplassen og diskusjonen vi har mellom partene i GNIST-samarbeidet, er på sentralt nivå. Det er med arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene – KS – og utdanningsinstitusjonene og studentorganisasjonene. Det er

eller tenke på: Hvordan kan vi tiltrekke oss arbeidskraft som vi gjerne vil ha i skolen? Der ligger det mange muligheter. Jeg mener faktisk at det finnes tilnærmingsmåter her fra begge kanter, og at det hadde vært veldig interessant hvis flere fylker og kommuner tenkte i retning av hva de selv ville legge vekt på, og tenkte på noe i retning

kunnskapen fra et høyt nivå og formidle den på et nivå som elevene forstår. Det betyr at vi også må jobbe for å finne de gode folkene – de som kan ta det de har i hodet og snakke på en måte som elever forstår. Jeg er helt enig i det kunnskapsministeren sier, for det er ikke alle som skal bli lærere. Det er de dyktigste folkene, de som klarer å formidle den kunnskapen de sitter på, som skal bli lærere. Om de er litt rare, eller veldig snille – så lenge de klarer å formidle det de kan, er det det viktigste. Jeg er glad for at vi er i ferd med å heve statusen til læreryrket. Flere vil nå bli lærere, og lærerstudiet har blitt mer populært. Jeg blir stolt av både den jobben kunnskapsministeren gjør for å heve statusen til det yrket jeg har valgt, og det gjør meg stolt som lærer at jeg vet at stadig flere ønsker å bli det samme som meg.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

gode ordninger for studenter som får barn. Det finnes flere særordninger for studenter med barn i dagens utdanningsstøtteordning. Studenter som får barn under utdanning, får foreldrestipend, som har mange likheter med foreldrepengeordningen i arbeidslivet. Dette er en ordning der all utdanningsstøtte gis som stipend i opptil 44 uker etter fødselen. Studentforeldre har frihet til å fordele denne perioden mellom seg. Studenter med barn har også rett til forsørgerstipend i tillegg til vanlig utdanningsstøtte. I 2008 ble universitets- og høyskolelovens § 4-5 første ledd endret for å sikre like rettigheter for alle studenter som får barn i studietiden. Bestemmelsen gir alle studenter rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. Videre er det presisert i loven at studenten fortsatt har status som student ved institusjonen mens han er hjemme med permisjon, og han har også rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette har vært viktig for hvordan institusjonene innretter seg overfor studenter som får barn. Bestemmelsen gir også departementet hjemmel til å gi en forskrift om regler for utsatt eksamen ved fødsel, og enkelte institusjoner har allerede lokale regler for dette. Gjennom loven er universiteter og høyskoler pliktige til å legge til rette for at studenter som er i permisjon, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter fødselen. I 2008 ble det også gjort endringer i forskrift om studentsamskipnader, slik at studenter i fødselspermisjon kan velge å betale semesteravgift, noe som gir tilgang til studentsamskipnadens mange velferdstilbud også i Utdanningsstøtten må også ses i sammenheng med andre velferdsgoder for studenter med barn, som billigere studentbarnehager, studentboliger og studentrabatter, engangsstønad i forbindelse med fødsel, barnetrygd, barnebidrag og overgangsstønad for enslige forsørgere. Vi har merket oss at det gis foreldrestipend i sommermånedene til dem som får barn i løpet av sommeren etter avsluttet utdanning. En stor andel av studentene som har jobbet ved siden av studiene, vil ha krav på foreldrepenger tilsvarende den inntekten de har hatt, og det er grunn til å anta at en del studenter som får barn når de avslutter studiene, vil ha hatt en inntekt som tilsier at de kan motta foreldrepenger fra Nav. Det er allikevel en gruppe, tross alle disse ordningene, som befinner seg i skjæringspunktet mellom to velferdsordninger, og som kan risikere å falle mellom to stoler. Det er viktig å forbedre situasjonen for dem som får barn mellom studier og arbeid. Derfor bør det ses nærmere på denne problemstillingen i grenseområdet mellom ulike velferdsordninger. Vi i Fremskrittspartiet er

Men samtidig mener vi også at lik rett til høyere utdanning er viktig. Det betyr at vi må sikre at alle som ønsker det og er i stand til det, gis mulighet til å ta høyere utdanning. Dette fordrer f.eks. gode økonomiske forutsetninger for dem som er studenter i dag. Her er studielån og stipend selvfølgelig viktig for å realisere målet vi i Fremskrittspartiet har om å gjeninnføre fulltidsstudenten og sørge for at alle, uansett økonomisk bakgrunn, faktisk får muligheten til å studere på fulltid. Men bortsett fra Fremskrittspartiets ønske og kamp for høyere studiefinansiering er det også et annet viktig tema som vi her er inne på, nemlig den økonomiske situasjonen til studenter som enten har barn fra før, får barn under studietiden eller blir gravid under studietiden og føder rett etterpå. rett etterpå. Som representanten Yrvin var inne på, har vi veldig mange gode ordninger i dag for studenter som har barn eller får barn i løpet av studietiden – alt fra gode permisjonsordninger, ekstra økonomisk støtte, tilrettelegging av eksamensavvikling, studentbarnehager o.l. – som er med på å gjøre det mulig for kvinner å ta høyere utdanning uansett

før det har gått seks måneder, ikke har tilgang til de økonomiske ordningene verken gjennom folketrygden eller gjennom Lånekassen. Da ser vi at det er et fåtall studenter som faller mellom to stoler, og som havner i en situasjon hvor de ikke får noen økonomisk støtte. Da er det ikke godt nok å se videre på dette. Man må faktisk se på det første forslaget som Venstre her kommer med, nemlig det som går på at man må sikre økonomisk støtte

Ja, president. Vi ønsker med dette å fremme det forslaget i innstillingen der Fremskrittspartiet er medforslagsstiller. Da er det omtalte forslaget tatt opp av representanten Hanekamhaug. Vi har over tid, også inneværende stortingsperiode, gjort vedtak i Stortinget for å sikre sosiale rettigheter for studenter. NSO mener på vegne av studentene at vi fortsatt har noe å rette på for at rettighetene skal være på nivå med samfunnet for øvrig, og det er men om rettighetene, eller rettere sagt mangelen på dette, i perioden fra en avslutter studiene og til tilsvarende ytelser er oppnåelige fra folketrygden. Når studiene er fullført og eksamen er avlevert, flyttes den enkelte fra Lånekassens regime og over til Nav og folketrygden. Da er det folketrygdens regler som gjelder, og for en del rettigheter gjelder det da altså opptjeningsperioder.

med saker der de opplever å falle mellom to, eller flere, stoler i de offentlige velferdsordningene. Det er vondt å høre disse historiene. Noen ganger er det misforståelser eller logiske forklaringer. Andre ganger virker det helt urimelig, og i forsøket med å løfte slike saker for å finne en løsning har jeg stadig følt meg maktesløs. Det gjør vondt. De trenger at vi tar saken for dem likevel. Derfor foreslår vi i dag at regjeringen må se på en ordning for dem som faller mellom ulike velferdsordninger. Hva skal så være løsningen? Ja, vi må innrømme at det enkle svaret ligger ikke åpent i dagen. Jeg tror det er stor enighet om at når man har avsluttet studiene, og Lånekassens ansvar er opphørt, vil det ikke være riktig å bruke penger avsatt til støtte for studenter til dette, i hvert fall ikke utover noen enkelte tidsbegrensede overgangsordninger som allerede er etablert. Det er altså Navs ordninger og folketrygden som er rette instans. Det betyr at denne gruppen må ses i sammenheng med andre som også føder uten å ha opptjent fulle rettigheter til foreldrepenger. Det er imidlertid én stor forskjell: Disse andre har ikke hatt en slik rettighet umiddelbart i forkant. Det er det som gjør den store forskjellen. Det må altså utarbeides en egen ordning som ivaretar disse. Det er det vi ber om.

må ses på i en sammenheng der studiefinansiering i sin helhet tas opp til vurdering. Avslutningsvis vil jeg si at jeg håper statsråden følger opp den positive avslutningen på svarbrevet til komiteen og fortsatt ser positivt på forslag som kan forbedre situasjonen for dem som får barn mellom studier og arbeid. Regjeringspartiene vil at forslaget skal vedlegges protokollen. En samlet opposisjon er klare til å bestille en tilbakemelding fra regjeringen. Statsråden har klare signaler om støtte og kan bare sette i gang arbeidet med å finne de gode løsningene. Det blir en liten endring i den annonserte talerlisten. Neste taler er representanten Trine Skei Grande, så representanten Dagrun Eriksen. Skei Grande, så representanten Dagrun Eriksen. Tusen takk, både til presidenten og Kristelig Folkeparti. Venstre og Kristelig Folkeparti er jo veldig glad i hverandre, og dette er en sak som Venstre og Kristelig Folkeparti har vært sammen om. Kristelig Folkeparti skal ha mye «kred» for å ha kjempet for det. Det som forundrer meg i dag, er at dette er og som jeg trodde skulle komme. En enstemmig komité har skrevet at «…det er viktig å forbedre situasjonen for dem som får barn mellom studier og arbeid, og ber om at det ses nærmere på denne problemstillingen i grenseområdet mellom ulike velferdsordninger.» Så jeg trodde at dette snart skulle være i boks. Vi har diskutert det flere ganger før. Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringspartiene syns dette er så vanskelig å stemme for. Dette er ikke noen stor gruppe. Dette er ikke en stor horde av mennesker, men noen som faller mellom to velferdsordninger, som vi mener det er viktig å ha. Denne salen har så mange ganger snakket varmt om at dette er viktige grupper å ta vare på, og som det er viktig å legge til rette for. Så jeg er egentlig litt forundret over at vi ikke skulle få mer støtte her i dag, for dette er grep som jeg mener burde ha vært tatt. Det er et stort engasjement i studentorganisasjonene for å få gjort noe med disse velferdsordningene, for det er med på å gi en sikkerhet til dem som er under utdannelse. Vi har lagt fram et forslag i dag – som vi selvsagt støtter. Kristelig Folkeparti har lagt fram et par andre gode forslag også, som vi egentlig syns er gode, men som vi ikke har har dekning for i våre budsjetter. Vi fremmer bare forslag i denne salen som vi også fremmer i våre alternative budsjetter. Derfor vil vi sørge for at det er sammenheng i den stemmegivningen. Ellers kommer vi til å jobbe videre med de forslagene som Kristelig Folkeparti har lagt fram. Dette er et av de hullene vi har i velferdsordningene våre, som jeg syns det er viktig å få tettet, og det er en av de ordningene jeg framføres veldig dårlig argumentasjon for at man ikke kan stemme for. Jeg tar opp forslag nr. 2. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det må være et mål at studenter som blir gravide, både får mulighet til å fullføre svangerskapet og fortsatt kan ha mest mulig normal progresjon i studiene. Som Kristelig Folkeparti har snakket om flere ganger fra denne talerstolen, gir samfunnet ganske motstridende signaler når det gjelder kvinner og graviditet. Det er en forventning at kvinner skal kunne få barn tidlig. Samtidig har vi laget ordninger som

Det trengs derfor etter Kristelig Folkepartis mening en bedre tilrettelegging for studentfamilier for å få mer likestilling mellom mannlige og kvinnelige studenter. Det bør også gis rett til mulighet for pappapermisjon for studenter. Kristelig Folkeparti mener også at det bør innføres andre og bedre studiefinansieringsordninger, som bl.a. å innføre 12 måneders studiestøtte for foreldre med barn. Det kan være ganske vanskelig å ha en deltidsjobb eller en sommerjobb som gir nok inntekt i sommermånedene, da også mange barnehager er stengt for denne gruppen. Også barn av studentforeldre må ha rett og mulighet til å ta sommerferie sammen Så til innholdet i forslaget fra Venstre. Kristelig Folkeparti er glad for at det er flere partier som engasjerer seg i disse sakene. Det må vises større fleksibilitet i overgangen mellom studier og foreldrepermisjon. Termindatoen følger sjelden studieåret og semesterinndelingene. semesterinndelingene. Det er vanskelig for studentforeldre å komme tilbake til studiet midt i et semester eller å få startet i jobb til passe tid, slik at disse ordningene går i hop. Dette krever både fleksibilitet og tilrettelegging. I tillegg vil jeg igjen minne om

Studentbarnehager er annerledes enn andre barnehager fordi de tar hensyn til studentforeldrenes situasjon. Kristelig Folkeparti mener også det er avgjørende å ha et studentbarnehagetilbud som er tilpasset studenters behov i forhold til studieåret. Alle studenter som ønsker det, bør kunne få tilbud om en hensiktsmessig barnehageplass til sine barn. Kristelig Folkeparti støtter forslaget, som støttes av opposisjonen, om å få til bedre overgangsordninger mellom studier og foreldrepermisjon. Det tror vi er forslaget, som støttes av opposisjonen, om å få til bedre overgangsordninger mellom studier og foreldrepermisjon. Det tror vi er veldig viktig å få på plass. Vi har i tillegg lagt fram forslag som Kristelig Folkeparti mener er viktige, knyttet til studiefinansieringsordningen. Jeg tar opp forslagene nr. 3 og 4, som Kristelig Folkeparti har fremmet. Da har representanten Dagrun Eriksen tatt opp de forslagene hun refererte til. Dette er

Det er nevnt som en målsetting i Soria Moria II, som altså er denne regjeringens erklæring. Vi har heldigvis allerede gode låneordninger i Lånekassens regelverk for studenter som får barn: Studentforeldre kan få hele utdanningsstøtten som stipend i 44 uker etter fødselen, de kan få ekstra stipend til forsørgelse, og de har utvidede rettigheter til sykestipend ved sykt barn, til støtte ved forsinkelse i utdanningen og til utvidet øvre grense for hvor lenge støtten kan gis. Alle disse forholdene har vært temaer i Stortinget tidligere. Regjeringen har også gjennomført noen forbedringer, og til nå har vi vært opptatt av å gjøre endringer for dem som har særskilte behov blant studentforeldrene. Vi har bl.a. utvidet perioden med rett til foreldrestipend og hevet aldersgrensen for rett til sykestipend når barna blir syke. I inneværende budsjett fikk vi også på plass et par mindre tiltak

med ulik økonomi og ulike behov for tilpasninger. De nye tiltakene bør være målrettet, slik at de treffer de studentene som har det største behovet. Målsettingen er at studenter skal ha økonomi til å få barn mens de studerer, og at de samtidig skal være i stand til å gjennomføre utdanningen uten unødige forsinkelser. Studenter som får barn enten rett før eller rett etter risikere verken å få foreldrestipend fra Lånekassen eller foreldrepenger fra Nav. Denne situasjonen skyldes at bare arbeid gjelder som opptjeningsgrunnlag for foreldrepenger, og bare utdanning som gir rett til støtte, gjelder som opptjeningsgrunnlag for foreldrestipend. Det medfører, som komiteen påpeker, at noen personer kun får engangsstønad ved fødsel og dermed faller mellom I den forbindelse ber komiteen om at det blir sett nærmere på denne problemstillingen i grenseområdet mellom de to velferdsordningene. Foreldrestipendet skal legge til rette for studenter som får barn mens de studerer, slik at disse ikke skal tape økonomisk og dermed sitte igjen med mer utdanningslån enn sine medstudenter. Å utvide ordningen med foreldrestipend til en periode fortsetter også etter selve studietiden, vil derfor bryte med det grunnleggende prinsippet om at søkeren må være student for å ha rett til utdanningsstøtte. På den annen side vil det å la foreldrestipend inngå som opptjeningsgrunnlag for rett til foreldrepenger gjennom folketrygden også være et brudd med prinsippet om at retten til foreldrepenger er opptjent gjennom arbeid. Dersom personer som har vært i utdanning, skal unntas fra dette prinsippet, vil andre påberope seg at det skaper forskjellsbehandling mellom grupper som har en forholdsvis lik tilknytning til yrkeslivet. Dette er de dilemmaene vi har når vi skal vurdere løsninger for dem som faller mellom disse stolene. Jeg er absolutt positiv til forslag som kan forbedre situasjonen for dem som får barn mellom studier og arbeid, og som ikke har opparbeidet seg rett Derfor ser jeg nærmere på disse problemstillingene i grenseområdet mellom de ulike velferdsordningene. Men vi må altså tenke litt lenger på hvordan vi finner løsninger her, for andre grupper vil veldig raskt kunne føle at de er i lignende situasjoner som studenter som får barn, enten rett før eller rett etter at de er ferdig

Ja, jeg har

president.

er

Da går vi til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt fram i alt 36 forslag. Det er forslag nr. 1, fra Morten Ørsal Johansen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 2–19, fra Morten Ørsal Johansen på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 20–25, fra Trond Helleland på vegne av Høyre

er det ikkje
skal vi